Først har jeg lyst til å berømme alle de som gjør en innsats for barns beste, som åpner hjemmet sitt og livet sitt for barn som ikke har det bra. Det står det stor respekt av. Derfor er det viktig at de får den oppfølginga og støtta de trenger, og det bør gjelde både fosterforeldre og eventuelle barn som får fostersøsken. At barnevernet er en medspiller, og at alle er trygge på hverandre, er helt nødvendig for å lykkes. Ofte stemmer ikke kjemien, og nettopp derfor er det viktig med gode rutiner og regler. Nesten 1 000 nye barn hvert år har behov for fosterhjem. Mange har store hjelpebehov og trenger langsiktig oppfølging. Kompetanse og bemanning er en viktig faktor. Det gjelder både ansatte og de som stiller seg til disposisjon for barn i krise. Selv med de øremerkede midla i barnevernsløftet, flere ansatte og økt kompetanse i barnevernet er vi ikke i mål. Det må styrkes videre og ikke stoppe opp. Ventetida for å få et fosterhjem er for lang, og den øker. Det voksende antallet barn som har behov for fosterhjem, bekymrer oss. Det har vært en ønsket vridning fra institusjon til fosterhjem, men det vil også være slik i framtida at noen barn trenger institusjonsplass. Derfor er det viktig med bredde i tilbudet for å dekke de ulike behovene. Det beste er å vokse opp i et tilnærmet normalt familieliv, for det danner det beste grunnlaget for et stabilt voksenliv, sett i et livsløp fra 0–22 år. Det vi så i Brennpunkt-programmet om fosterhjem, er dessverre ikke noe enestående tilfelle, og en kan skjønne at rekruttering ikke blir lettere etter et slikt innslag. Det er store variasjoner fra kommune til kommune når det gjelder både kompetanse, antall ansatte og hvordan sakene følges opp. Det er gråsoner mellom stat og kommune, og mellom hva Bufetat skal gjøre, og hva kommunene skal gjøre. Det kan være en utfordring at samme person utreder, saksbehandler og deretter følger opp barnet og familien. Vi trenger utdannede ansatte som kan jobben sin, og det er viktig å se om utdanninga er tilpasset det som er forventet. Der er også grunn til å se på praksisen med at nyutdannede settes i førstelinjetjenesten, der en kanskje burde hatt de med mest erfaring og god menneskekunnskap. Det må være tøft for ansatte å møte vanskelige saker gjennom hele arbeidsdagen, og det er viktig at også de får den oppfølginga og den etterutdanninga som de trenger. Dette er ofte folk som brenner for barns beste, men de brenner seg ut fordi de ikke får det til. De har for mange saker. Maksgrensen burde kanskje være rundt tolv, men vi ser at det er langt over det som er realiteten. For fosterforeldre er hyppige skifter av saksbehandlere et problem når en ønsker å skape et godt samarbeid. Tilbakemeldinger viser at oppfølginga svikter og skaper konflikter. Ville det vært en løsning å ha en som utreder, og en som følger opp? For å rekruttere og beholde eksisterende fosterfamilier er det viktig at fosterfamiliene er trygge på at de får hjelp når de trenger det, og at de har en medspiller i barnevernet. Det tyder på at behovet for mer støtte og mer veiledning er nødvendig. Hvordan kan vi gjøre det på en bedre måte? Én løsning er kanskje å utvikle og bruke opplæringsprogrammet for fosterforeldre, PRIDE, mer. Evalueringa av PRIDE viser at flertallet av deltakerne ga positive tilbakemeldinger og mente at temaene som ble tatt opp, var nyttige. Det som er nevnt – og som burde endres – er f.eks. det med fosterforeldres rettigheter, og at det burde gis mer realistiske bilder av utfordringer og av systemet. Dette er ting som burde vært inne i dette programmet. Videreopplæringskursene som tilbys, har fått gode tilbakemeldinger, og kursene bør utvikles mer. Det å gjennomgå et kurs gjør at fosterforeldrene er mer forberedt. Spørsmålet er hvordan en kan få enda flere til å delta, eller om en bør vurdere om i det minste et grunnkurs burde være ob1igatorisk Mange barn er i beredskapshjem før de kommer i fosterhjem. Det er statens ansvar. Når jeg har fremmet denne saken, hører jeg at kontakten mellom de ulike nivåene kan være vanskelig. All kommunikasjon skal gå gjennom Bufetat, mens viktig informasjon om den tida barnet har vært i er viktig for en saksbehandler å vite om, skal gå gjennom Bufetat. Det er viktig for saksbehandleren å få vite hvordan barna har det i beredskapshjemmet, men det er altså ingen direkte kommunikasjon. Dette kan det være viktig å ta hensyn til når en skal finne fosterhjem. Her bør barns beste vinne Her er det store forskjeller fra kommune til kommune når det gjelder hvordan Bufetat forholder seg til dette. Hvordan skal vi klare å få til det? Skal vi ha felles regler som er fornuftige? Kan vi lære av Australia og USA, der en har krav til et tett og forpliktende samarbeid mellom instanser? Vi må ha et mangfold i tilbudene. Statsråden har selv framhevet SOS-barnebyer, som er én type tilbud. Der er det fosterforeldrene som flytter, og barna som bor igjen, hvis det skjærer seg. Det er gode møteplasser for familietreff i samme område, noe som jeg syntes virket veldig positivt. Det virker som en fin måte å organisere det på, selv om det ikke kan erstatte alle andre fosterfamilier. Opplegget stiller store krav til familier som går inn, de oppgir ofte sitt eget liv. Noen selger egen bolig og blir permanent der, mens andre har bolig i tillegg. Det er i tillegg avlastning – godt avtalt. Men dette er et opplegg som ikke passer for alle. Derfor har jeg lyst til å si at mer mangfold og gode løsninger kan være en vei å gå. SOS-barnebyer virker som Jeg ser fram til debatten her i dag, og jeg synes vi i fellesskap skal prøve å finne gode løsninger for barn og fosterforeldre. Meninga med interpellasjonen er ikke å si at noen har gjort en bedre jobb enn andre. Her tror jeg vi har et felles ansvar for å finne enda bedre løsninger for ungene som ikke har det bra, for dem som ønsker å bli fosterforeldre, men som ikke tør i dag, og for dem som er fosterforeldre, men som ønsker å avslutte fordi de synes det er for vanskelig. Jeg håper vi får en god debatt her, og at vi i fellesskap kan finne fram til gode løsninger.

med. Jeg vil trekke fram fire områder som jeg mener er avgjørende for å sikre gode og stabile fosterhjem tilpasset det enkelte barn. For det første handler det om rekruttering, for det andre handler det om en god utredning av barnet før plassering, og for det tredje handler det om god oppfølging og veiledning av fosterforeldrene. Sist, men ikke minst handler det om fosterforeldrenes rammevilkår. Det er barne-, ungdoms- og

Generelt sett klarer familieplasserte barn seg bedre enn andre fosterbarn, de har bl.a. færre fysiske og psykiske helseplager. Plasseringene ender også sjeldnere med utilsiktede flyttinger enn andre plasseringer. Disse fosterforeldrene må få samme oppfølging og veiledning som andre fosterhjem, og jeg har i tildelingsbrevet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, for 2014 bedt Bufdir om å utvikle en faglig anbefaling for vurdering av plassering i fosterhjem i barns familie eller nære nettverk. Mange kommuner bruker familieråd. Familieråd har også vist seg å være godt egnet når et barn skal plasseres utenfor hjemmet. Gjennom familieråd kan familien sammen komme fram til at barnet kan plasseres hos en i familien. familien. Derfor har jeg gitt Bufdir i oppdrag å stimulere til rekruttering av flere fosterhjem i barnets familie og nære nettverk gjennom bruken av familieråd. Vi vet at det aller viktigste for mange barn er å ha kontakt med søsken. Jeg er derfor glad for at vi nå har presisert i barnevernloven at barnevernstjenesten etter en omsorgsovertakelse skal legge til rette for samvær med søsken. Dessverre hører vi historier om at dette ikke skjer, men det er viktig at det blir tatt hensyn til. Dersom alle som plasseres i fosterhjem, gjennomgår en grundig utredning før plassering, vil også fosterforeldrene bli bedre i stand til å hjelpe barnet fra starten av. En god utredning vil kunne bidra til å redusere uønskede brudd og flyttinger og gi fosterbarnet en mer stabil og forutsigbar tilværelse. tilværelse. Det er viktig at kommunene prioriterer dette når barnet utredes før plassering. Noe som også er avgjørende for å lykkes på fosterhjemsområdet, er, som jeg nevnte, god oppfølging og veiledning av fosterforeldrene. De som velger å bli fosterforeldre, påtar seg en svært krevende oppgave på vegne av det offentlige. offentlige. For å kunne gjøre fosterforeldrene trygge i sin rolle, styrke motivasjonen deres og redusere risikoen for at fosterbarn opplever nye brudd, er det vesentlig at disse fosterforeldrene får en kunnskapsbasert veiledning. Jeg har i den anledning lyst til å trekke fram en film som er laget av Voksne for barn i samarbeid med Landsforeningen for Målet med filmen er å styrke relasjonen mellom fosterbarn og fosterforeldre, og den skal være utgangspunkt for samtale og dialog. Målgruppen er i første rekke fosterbarn, fosterforeldre og fostersøsken. Nøkkelen for å lykkes med stabile fosterhjem er at fosterforeldrene får rett og god oppfølging. Både det kommunale og det statlige barnevernet har ansvar for opplæring og veiledning av Statens ansvar er å veilede om det å være fosterforeldre, men det er kommunen som har ansvaret for å gi veiledning knyttet til det enkelte barn. Jeg har nå bedt Bufetat om å bygge opp et tilbud om kunnskapsbasert gruppeveiledning for alle kommunale fosterhjem. Det starter opp i år. Kommunene med de største behovene skal prioriteres. Tilbudet skal være gratis for kommunene, og det skal også være gratis for fosterforeldrene. Det er satt av 10 mill. kr i budsjettet til det i år. Jeg også bedt direktoratet om å identifisere og videreutvikle metoder som styrker tilknytningen mellom barn og fosterfamilie. Kartlegging av fosterforeldrenes økonomiske rammevilkår og evaluering av bruken av de statlige fosterhjemmene og de kommunalt forsterkede fosterhjemmene er også viktige tiltak, som er omtalt i Prop. 106 L for 2012–2013. Disse tiltakene er vi godt i gang med, og vi vil ganske snart få en kartlegging av akkurat dette fra Bufdir. Evalueringen av de statlige, de kommunalt forsterkede og de private profesjonelle fosterhjemmene vil være klar ved utgangen av året, sammen med Bufdirs faglige anbefaling om hvordan fosterhjemsområdet bør utvikles videre. Disse utredningene vil også være et vesentlig bidrag i det videre arbeidet med å sikre bedre og likere rammevilkår for alle fosterforeldre og for å vurdere hva slags fosterhjem vi vil ha behov for i framtida. Representanten Mandt trekker fram SOS-barnebyer i interpellasjonen sin. Undertegnede var på besøk i Norges eneste barneby, som ligger i Bergen. Jeg kan virkelig anbefale representanten å ta seg en tur,

Og skulle det vise seg at fosterforeldrene og barna ikke «passer sammen», er det fosterforeldrene som flytter ut, ikke barna. Dette er barnas hjem, og det er helt «vanlige hjem». Vi skal også huske at fire av fem fosterforeldre er fornøyde med den støtten de får, men vi kan ikke være fornøyd med dette resultatet. En fosterfamilie som ikke er fornøyd, er en familie for mye. Mange barnevernstjenester er i dag små og sårbare.

Representanten spør i sin interpellasjon om hvordan vi skal følge opp Prop. 106 L for 2012–2013, og hun hadde også et par innspill i sitt innlegg. Jeg har lyst til å si at noen kommuner har i dag delt barnevernstjenesten i en utredningsdel og en tiltaksdel. Det er også satt i gang en veiledning for nyansatte/nyutdannede barnevernspedagoger – det er viktig at de får veiledning.

hele familien – altså at hele familien flytter inn hos en annen familie – men det kunne kanskje vært et tilbud som kunne utvikles. Ofte trenger familien å lære å være en familie, og det er flere måter å løse det på. Det kunne kanskje bidra til at flere unger slapp omsorgsovertakelse, at de kunne bo hjemme dersom familien faktisk fungerte. Vi har ulike typer barne- og familiesentre, og der skjer det mye bra. Mange har gode erfaringer i forhold til forebygging. I Vestfold har vi Vilde, i Horten, der de har et godt omdømme. Målet er å bedre barnas oppvekstvilkår, hjelpe foreldrene til å bli gode omsorgspersoner og – der det ikke er mulig – avklare videre omsorgsbehov for ungene. Sånne tilbud er viktige og absolutt til barns beste. mange aktuelle fosterforeldre seg for å ta imot barn på grunn av ustabile framtidsutsikter og rammevilkår. Hvor lenge skal barnet være, når skal det tilbakeføres hjem igjen, hvor tett skal den biologiske kontakten være, igjen, hvor tett skal den biologiske kontakten være, og hvor ofte anker foreldrene i saken, er andre spørsmål som stilles. Bør vi vurdere å sette grenser for hvor mange ganger det skal kunne ankes? Når skal en si stopp? Når skal ungen få ro? En anke er en evig runddans. Vi kan lett forstå at foreldrene har en kamp for å få igjen ungene sine, men vi må også se om omsorgsevnen faktisk er endret. Kanskje det bør vurderes før anke godtas. godtas. I Sverige skjer varig plassering raskere, det er færre ankemuligheter, og i USA får en ha kontakt når varig plassering er avklart. Det kan også skape ro for alle. Et annet spørsmål er hva slags rettigheter fosterforeldre skal ha der barn blir tilbakeført, f.eks. når det gjelder samvær. Utfordringer som statsråden var inne på med kontrakter, økonomiske rammevilkår og inngåelse her, er andre konkrete ting vi må gå inn på. Mangel på sosiale rettigheter som feriepenger og tjenestepensjon kan være et hinder. Kan det ryddes opp, slik at systemene rundt er like, og alle vet hva de går til? Bør vi ha nasjonale standarder på det? Bør en vurdere i krav til fosterhjem at en av foreldrene skal være hjemme det første halve året? Bør en sammenligne fosterhjem og en arbeidsplass, slik at det faktisk er

der både helsestasjoner, skoler, barnehager og barnevern jobber sammen for å ha et styrket tilbud til den enkelte familie. Vi ser også at de kommunene som satser på helsestasjoner, bruker mindre på barnevern. Så er det slik at 80 pst. av de familiene som er innenfor barnevernet, får hjelp i hjemmet. hjemmet. Det at vi nå setter i gang med å videreutvikle og gi et tilbud til flere på foreldreveiledningskurs, tror jeg også kan være med og styrke det forebyggende arbeidet. Det er lettere av og til å få penger til å reparere, det er ikke så lett å ha fokus på forebygging, men vi må huske på at alt det vi klarer å forebygge, når vi klarer å gi hjelp til den enkelte familie og barnet tidligst mulig, vil vi spare på senere. Så det kommer til å bli et viktig fokus for denne regjeringen å jobbe videre med. Så var interpellanten inne på Vilde – barne- og familiesentrene. Da har jeg lyst til å minne om at et samlet storting har sett på Prop. 106 L. Vi skal se på en strukturering av barnevernet i dag med at kommunene skal få større oppgaver, direktoratet skal mer bli et fagdirektorat,

og familiesentrene, og jeg er glad for at vi nå har stoppet nedleggingen av dem, slik at det blir et godt tilbud framover også for de familiene som trenger det. Så har jeg også lyst til å si at det er viktig at vi sikrer barns rettssikkerhet. Det nå å ha satt i gang en evaluering av fylkesnemndene er viktig for å sørge for at rettssikkerheten blir ivaretatt for barna, men også for de foreldrene som mister omsorgen for barna sine. Et felt som har vært lite debattert, er også å gi et godt tilbud til de biologiske foreldrene som mister barna sine. Det at de også får en mye tettere og god oppfølging, tror jeg er viktig, og det er flere instanser som sier at det har vært underprioritert og må løftes opp. Det er veldig mange barn som når de er i fosterhjemmene, er fortvilet og lurer på hvordan det går med mamma og pappa,

et fosterbarn, er du ikke en vanlig familie lengre.» De forteller videre om kjærligheten til fosterbarn, sorgen ved å tro at et barn skal bli, men som de ikke får beholde, og gleden ved gi trygghet og en god start til noen som trenger det. Når vi som myndighet ber om at noen åpner hjemmet sitt, er det altså ingen liten tjeneste vi ber om. Da er det viktig at vi har gode tilbud rundt familien, og at det gjøres en god vurdering av hva barnet trenger, før en velger tilbud. Vi har i komiteen oppe flere saker rundt dette temaet, og statsråden har sendt oss svarbrev og redegjort for noen av tiltakene som er satt i gang, og hva som er på trappene. God oppfølging og veiledning av fosterforeldre er avgjørende for å lykkes på fosterhjemsområdet. Derfor er det viktig at Bufetat i årets tildelingsbrev er bedt om å bygge opp tilbud om kunnskapsbasert gruppeveiledning for alle kommunale fosterhjem, med oppstart i 2014. Kommuner med størst behov skal prioriteres. Tilbudet skal være gratis for kommunene og gratis for fosterforeldrene. Det er satt av 10 mill. kr til dette. I regjeringsplattformen sier vi at vi vil åpne for at flere aktører kan rekruttere fosterforeldre og bidra i støtteapparatet rundt fosterfamiliene. Hva barnet har behov for, er viktigst. Her gjelder det å slippe alle gode krefter til. Vi vil gjennomgå balansen mellom institusjons- og fosterhjemstilbud og ved behov utrede hvordan fosterhjemsomsorgen kan styrkes. Igjen må barnets beste være ledende. Vi ønsker å flytte myndighet fra staten til kommunene, slik at de kan styrke sine fagmiljøer. De som er nærmest barnet, trenger større frihet til å skreddersy riktige tiltak for hvert enkelt barn uavhengig av om det leveres av det offentlige, av de ideelle eller av andre private barnevernsaktører. Vi er utålmodige på vegne av de mest sårbare, på vegne av barna. Jeg er glad for at vi leser den samme utålmodigheten ut av svarene og innleggene vi hører fra statsråden i dag. Vi ser allerede resultatene, og det lover godt for

Jeg er derfor svært glad for denne regjeringens satsing på tidlig innsats for å hjelpe vanskeligstilte familier og utsatte barn. Det er likevel ikke alltid forebygging vil hjelpe, og da må vi sette barnets beste i sentrum. Vi må da sørge for trygge oppvekstvilkår for barnet, enten i en fosterfamilie eller i en institusjon, ut fra hva som passer det enkelte barnet best. De fleste barn plasseres i en Disse fosterfamiliene gjør en av samfunnets viktigste oppgaver. De åpner sine egne hjem for barn som har hatt en skjev start i livet. Ved å legge til rette for gode, stabile og trygge fosterhjem kan vi sørge for at disse barna gis en god oppvekst og hindre at barna kommer skjevt ut også senere i livet. Vi legger til rette for dette ved å sørge for nødvendig veiledning, trygge økonomiske rammevilkår og god oppfølging av hver enkelt fosterfamilie. Her har vi en jobb å gjøre, og jeg er glad for at regjeringen nå tar tak i dette i årets tildelingsbrev til Bufetat, hvor Bufetat er bedt om å bygge opp tilbud om kunnskapsbasert gruppeveiledning for alle kommunale fosterhjem. Jeg har fått flere tilbakemeldinger på at rammevilkårene for kommunale fosterhjem i stor grad varierer fra kommune til kommune. Denne variasjonen kan gjøre tilværelsen både som fosterbarn og fosterforelder svært uforutsigbar. Jeg er derfor glad for at Bufdir nå skal se på dette. Særlig viktig for stabilitet i fosterfamilier er de økonomiske rammevilkårene. Det er viktig at fosterbarn har samme mulighet til deltakelse som alle andre barn, og at familier ikke straffes økonomisk ved å ta inn et fosterbarn. Statsråden har uttalt at Bufdir i nærmeste framtid skal overlevere en kartlegging av fosterforeldrenes økonomiske rammevilkår. Her er det viktig at det fokuseres både på tilsiktede og utilsiktede økonomiske konsekvenser ved det å være fosterfamilie, og at disse vurderes. Fremskrittspartiet har alltid ment det er viktig for barnet at nærmeste familie først vurderes som fosterhjem. Jeg er derfor glad for at Bufdir i årets tildelingsbrev er bedt om å utvikle hjelpeverktøy for å nå dette målet. Jeg mener regjeringen allerede har gjort mye positivt på fosterhjemsfeltet. Samtidig gjenstår vanskelige problemstillinger som nå må tas tak i. Mer fokus på fosterhjemsordningen er nødvendig for å sørge for å snu det faktum at fosterbarn kommer dårligere ut på statistikken når det gjelder både utdanning og helse. Barn som blir flyttet inn i en fosterfamilie, må få komme til et hjem som er forberedt på å ta seg av barnet med dets utfordringer og gi barnet den barndommen og framtiden barn fortjener. Fosterhjemsordningen er

Mange barn som kommer i fosterhjem, har med seg opplevelser som krever bearbeiding og oppfølging, ofte i større grad enn det fosterforeldrene er blitt fortalt på forhånd. Derfor er det helt nødvendig å gi fosterforeldre god faglig oppfølging og kunnskapsbasert veiledning.

og vi har noen oppslag som jeg tror vi alle sammen gjerne skulle vært foruten. Ett paradoks som jeg synes jeg ser i den sammenheng, er at det ofte – og jeg tror det er en realitet – er i de minste kommunene at kunnskapen er dårligst. Men samtidig ser vi også ganske grelle oppslag i store kommuner, så heller ikke det er en garanti for at vi har et barnevern med nok kunnskap og god nok formidling til dem som trenger veiledning fra etatene. Da denne salen diskuterte endringer i barnevernet for litt over ett år

Vi tenkte at det ville gi kommunene tid til å etablere et godt system for sånne tilsyn. Men i tilleggsproposisjonen uttrykte statsråden stor utålmodighet etter å få i gang tiltaket, og bevilget derfor 15 mill. kr ekstra, sånn at tiltaket kunne iverksettes allerede fra 1. februar i år. Da noen av oss var usikre på om det var mulig å få etablert en god tilsynsordning på så kort tid, kunne det jo være interessant å høre med statsråden hvilke erfaringer hun har gjort seg med den nye tilsynsordningen. Hva er det som har skjedd? Har man kommet godt i gang i kommunesektoren? Og hva har man sett allerede? La meg starte med å takke interpellanten for å ha tatt opp en viktig sak. Kristelig Folkeparti har vært engasjert i å bedre fosterhjemstilbudet lenge og

Barn som må flyttes fra hjemmet sitt, trenger et stabilt og trygt omsorgstilbud, og for de fleste vil fosterhjem være det beste tilbudet. Det er ingen enkel oppgave å finne gode og passende hjem til hvert enkelt barn, men når det offentlige beslutter å ta barnet ut av hjemmet, er det uakseptabelt at vi ikke stiller opp med et fullgodt omsorgstilbud umiddelbart. umiddelbart. Da må vi satse mer på rekruttering. Kristelig Folkeparti er glad for at de ideelle i større grad kan brukes for å rekruttere fosterhjem, og forventer at potensialet som er blant de ideelle, tas helt ut, slik at vi får et mangfold av tilbud og kan gi barn et godt fosterhjem. Rekrutteringskampanjer er viktig, men jeg tror det er minst like viktig at det å være fosterhjem er en god opplevelse og har et godt rykte. Da må vi sørge for at fosterfamilier opplever seg godt ivaretatt. I vinter har vi sett flere tilfeller, bl.a. i Brennpunkt på NRK, av fosterfamilier som ikke har fått den oppfølgingen de trengte, og der samarbeidet med barnevernet ikke har fungert godt nok. Dette har barnevernstjenesten i flere av sakene sagt seg enig i, de begrunner det med ressursmangel. Vi er nødt til å sørge for at barnevernet har de ressursene som trengs for å kunne følge opp fosterforeldrene på en god måte. Slik kan vi legge til rette for at barnet kan bli i familien så lenge som det trengs, og slippe flytting mellom fosterfamilier. Jeg tror vi også vil oppnå at vi får enda flere En god plassering starter med en god utredning, og et viktig tiltak vil være å sikre at barnevernet har gode metoder for å utrede barna og familiene. En undersøkelse fra NOVA i 2013 viser at saksbehandlerne ikke har en enhetlig og systematisk måte å utrede barna på i forbindelse med plasseringen. Dette førte til at fosterforeldrene og at plasseringen dermed ble mer utfordrende enn nødvendig. NOVA tar til orde for et prosjekt med utprøving av ulike metoder for utredning, og dette mener jeg er noe som statsråden bør se nærmere på. Gode utredninger vil gi gode plasseringer og dermed forebygge unødvendige flyttinger og brudd i barnets oppvekst. Undersøkelser viser at det kreves mer og mer av fosterforeldrene, og at bruken av frikjøp øker. Det er viktig å ta en gjennomgang av fosterforeldrenes rettigheter knyttet til pensjon og trygd. Slik det er i dag, får ikke fosterforeldre som ser at frikjøp er nødvendig, opparbeidet seg pensjonspoeng mens de er hjemme og gjør denne utrolig viktige jobben for samfunnet Frikjøp av én eller begge fosterforeldrene fører også i de fleste tilfeller til tap av inntekt. Kravene til fosterforeldre har endret seg, og da tenker jeg at vi også må være villige til å se på om ordningen også trenger forandring – og se på forholdene rundt. Så er jeg glad for at interpellanten Sonja Mandt også nevnte institusjonen Vilde i min fødeby Horten, som arbeider innenfor foreldre–barn-segmentet, og som gjør en kjempegod jobb. Jeg vil rose statsråden for at hun frøs situasjonen, for det så ut til at en del av de institusjonene som jobber innenfor dette segmentet, ville fått problemer. En av utfordringene knyttet til disse institusjonene og de tiltakene som de jobber med, er at det ikke er en statlig lovpålagt oppgave. Jeg vil invitere både interpellanten og Jeg vil invitere både interpellanten og statsråden til en debatt om dette i en interpellasjon som jeg har meldt inn, og som skal foregå i denne salen 20. mai. Det er

Formålet var å styrke barnevernet og få en styrking av økonomien. I dag vet vi at det er mer enn tvilsomt å hevde at alle ambisjonene ble innfridd. Interpellanten tar opp et viktig tema. Vi har styrket barnevernet gjennom flere ansatte og økt kompetanse de siste årene. Den rød-grønne regjeringens satsing på økt kompetanse i det kommunale barnevernet har gitt økte ressurser og sterkere fagmiljø. Vi har også satset på å styrke fosterhjemstilbudet ut fra ønsket om at flest mulig unger skal få vokse opp i et vanlig hjem. Ambisjonene og intensjonene er gode, men som interpellanten var inne på, sliter mange fosterforeldre fordi de ikke følges opp med veiledningskompetanse og avlastning. Rekruttering av fosterhjem er vanskelig. Stortinget gjennomførte i 2013 en bred debatt om barnevernet med grunnlag i en proposisjon med meldingsdel fra den rød-grønne regjeringen. Riksrevisjonen har vært sterkt kritisk til overskridelser og manglende kostnadsstyring i Bufetat. Flere partier, spesielt de som nå er i posisjon, var ved behandlingen av Prop. 106 L for 2012–2013 kritiske til om dagens Det kan fort bli et svarteperspill mellom stat og kommune om ansvar og kostnadsfordeling. Selv om kommunene har ansvaret for å vurdere omsorgsoverdragelser og valg av omsorgsnivå, er dette ofte en kilde til konflikt mellom kommunene og Bufetat. For de fleste unger som ikke lenger kan bo hjemme, er fosterhjem å foretrekke, men for unger med store atferdsproblem kan institusjonsplass være faglig riktig, men det er dyrere. Senterpartiet sier i sitt program at vi ønsker å overføre vesentlige deler av Bufetats oppgaver til kommunesektoren. Vi vil arbeide videre med modeller for dette, men samtidig vil vi advare mot at man som en del av arbeidet med kommunereformen gjør overilte grep der kommunene får ansvar som kan bli for krevende å oppfylle, både for kommuner med 2 000 innbyggere og for kommuner med langt langt flere enn 20 000 innbyggere. Rekruttering av fosterhjem, veiledning til fosterforeldre og etablering og kvalitetssikring av institusjonsplasser er store oppgaver som krever tung kompetanse og et omfattende faglig apparat. Det er vanskelig å tenke seg at selv store kommuner vil klare dette på egen hånd. Det vil være viktig med godt og utstrakt Det er behov for en gjennomgang av organiseringen av barnevernet. Dagens statlige ansvar er ingen suksess og har neppe gitt vanskeligstilte unger noen lettere virkelighet enn før omorganiseringen fant sted. Fra Senterpartiets side mener vi det kan være fornuftig å se på om fylkene igjen bør få en rolle i organiseringen av barnevernet, men det vil vi komme tilbake til. Den rød-grønne regjeringen inngikk en samarbeidsavtale mellom staten og ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester. Det ble også etablert egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barnevernet. Den nye regjeringen har signalisert at den ikke vil videreføre denne praksisen, og det er et stort tilbakesteg. Senterpartiet, ved representantene Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad, har levert inn et representantforslag der regjeringen blir bedt om å videreføre samarbeidsavtalen med ideell sektor og også videreføre anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barnevernet. Ideell sektor har vært med på å løfte nivået innen sosial- og omsorgssektoren i samfunnet vårt. Deres innsats har vært, og er fortsatt, viktig for å sikre et variert tilbud, men også på grunn av den innovasjonen og kompetanseutviklingen de driver. Et særtrekk ved ideell sektor i forhold til kommersielle aktører er at de ideelle gjerne deler erfaringer og ervervet kompetanse med offentlig sektor. De ser på seg selv som en del av en omsorgskjede og spiller gjerne på lag med det offentlige. Denne kompetansen må vi ta vare på, og jeg ser fram til en debatt i Stortinget på grunnlag av representantforslaget fra Toppe, Navarsete og Arnstad.

Fosterhjem er det viktigste omsorgstiltaket vi har for unger under omsorg. Det skjer mye godt arbeid når det gjelder utviklingen av en bedre fosterhjemsomsorg. Det foreligger mange evalueringer og rapporter, og det er flere på gang. De må alle settes inn i en politisk og faglig sammenheng for å kunne videreutvikle en god retning på fosterhjemsarbeidet. For Venstre er det viktig å unngå Kunnskapen om fosterhjemsomsorgen må inn i en større sammenheng. Det er behov for å systematisere arbeidet bedre og foreta en skikkelig gjennomgang. Det er nødvendig å frambringe mer kunnskap om hvordan og når fosterhjem skal benyttes, f.eks. hva et fosterhjem skal være sett opp mot bruk av institusjon, både knyttet til utredning og omsorg, og også opp mot alternative omsorgstiltak, som Det er derfor noen grunnleggende forhold som vi mener det er viktig at en i fortsettelsen tar initiativ til å avklare ved hjelp av en tydelig satsing og grundig gjennomgang. Forskningen som er gjort rundt barn som vokser opp under offentlig omsorg, er dyster lesing. Barna og ungdommene stiller svakere når det gjelder skole, helse, utdanning og arbeid når de kommer over i voksenlivet. De har også oftere psykiske plager. Dette har store menneskelige omkostninger. Det koster også samfunnet store beløp og er med på å opprettholde uhensiktsmessige klasseskiller. Der fosterhjem er svaret på barns omsorgsbehov, må et sentralt mål være å skape livslange relasjoner for barnet. I dag er det fokus på at alle barn skal vokse opp i fosterhjem, uten at dette nødvendigvis behøver å være faglig begrunnet i barnets behov, men fordi det ligger der som en føring. Det kan hende det er barn som vil ha bedre forutsetninger i en institusjon. En del tilknytningsstudier støtter dette. Utilsiktede brudd fra fosterhjem kan gjøre vondt verre for noen barn. Dette kan noen ganger ha sammenheng med at noen barn eller ungdommer har omsorgs- og utviklingsbehov som kan være vanskelig å dekke innenfor rammen av et såkalt vanlig hjem, selv om disse er forsterket. Kunnskapsbehovet om barns behov og hva som på sikt gir den utviklingsstøtten de trenger, er derfor et viktig grunnlag for videre utvikling av fosterhjemsomsorgen. En grundig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen vil nettopp legge føringer for hva et fosterhjem skal være og samtidig utrede hvilke alternativer til fosterhjem vi må ha som også er viktige omsorgstiltak. Institusjonenes rolle er her viktig. Situasjonen i dag er at dette behandles som et uønsket alternativ, til tross for at utrednings-, behandlings- og omsorgsbehov faglig sett kan dekkes innenfor disse rammene på en god måte. Fosterhjemsomsorgen har mange huller i dag, og det er fortsatt områder som det ikke er tatt beslutninger om, eller som det er behov for å utrede mer rundt. Det gjelder bl.a. at vi trenger: mer kunnskap om hva en utredning av barn før plassering skal inneholde samværsordninger, tilbakeføring og adopsjoner delvis partsrettigheter til barnevernloven som rettighetslov, slik at fosterbarn under 15 år får en bedre rettsbeskyttelse nasjonale retningslinjer for ettervern og forutsigbare rammevilkår bedre rettssikkerhet med hensyn til flyttinger rammer for veiledning og oppfølging av fosterhjem bedre rekrutteringsstrategier et mer profesjonelt oppfølgingsapparat av fosterhjem

krafttak. Når barnevernet nå, både i kommunene og det statlige barnevernet, er styrket kraftig de siste årene, ser vi jo også at de oppdager flere barn. Det er litt sånn som det sies, at du tror det ikke før du ser det. Jeg tror bevisstheten i samfunnet øker, kravene til kvalitet på barns barndom øker, og satsingen i barnevernet gjør at man rett og slett trenger bedre barnevern, og man trenger bl.a. flere fosterhjem. Jeg er glad for statsrådens innlegg, som jo følger opp den satsingen som den forrige regjeringen la opp til. Det er veldig bra. Veldig mange representanter har vært inne på ulike deler av dette som er viktig og riktig, og jeg Men det er ett punkt i dette som ikke har vært nevnt hittil, tror jeg, og det er behovet for økt rekruttering av fosterhjem blant minoritetsforeldre. Når vi ser på tallene nå, er omsorgsovertagelse i minoritetsmiljøene økende. Det er klart at det da er et behov for å rekruttere flere gode fosterhjem blant minoritetsforeldre, og det er behov for å utvikle spesifikk kompetanse på veilede disse familiene. I forrige uke traff jeg noen av disse foreldrene som hadde opplevd at barna deres hadde blitt omsorgsovertatt. Det er mye misforståelser og fortvilelse som ligger i det, og også et veldig stort behov for et barnevern som har tid og ressurser til også å følge opp familier som ikke helt vet hvordan de skal håndtere sakene.

husmorvikar. Det var rett og slett noen som gikk hjem til noen av de familiene som slet, for å vise hvordan man gjør de enkleste ting for å ta vare på barna med mat, klær og slike ting. Det var ikke nødvendigvis foreldre som ikke skjønte hva som var vondt og leit for barna, men de var rett og slett litt hjelpeløse med hensyn til å håndtere samfunnet. Jeg tror veldig mange foreldre trenger mye mer av den veiledningen. Jeg har dessverre også møtt barnevern som sier at de ikke har tid til det, fordi de alvorlige sakene tar all tid. Derfor må vi fortsette å styrke også det kommunale barnevernet, slik at de har tid til dette, men også tid til å følge opp fosterhjemmene, sikre dem, og sørge for at kommunene har egne kompetansemiljøer til å føre tilsyn med fosterhjemmene, slik som det nå er vedtatt – at de to rollene ikke blandes sammen. Det er utrolig viktig. Men det er også utrolig viktig et kompetent barnevern å støtte seg på når de ber om hjelp, for det vil de aller fleste trenge. I forrige uke besøkte jeg det interkommunale barnevernet i Solør – det er tre kommuner som samarbeider. Jeg er veldig enig med dem som sier at man trenger et kompetent barnevern av en viss størrelse. Det er jeg helt enig i. Men jeg har også lyst til å si at jeg kjenner store kommuner som har dårlig barnevern. Så det er ikke størrelsen det kommer an på, det er at man gjør jobben på en skikkelig måte. Men det det er at man gjør jobben på en skikkelig måte. Men det dette barnevernet tok opp, og som jeg tror vi må se på sammen – både barne- og likestillingsministeren og kommunalministeren – er hvordan vi finansierer barnevernet framover. De viste tall knyttet til kostnadsnøkkel, faktiske utgifter i barnevernet og de øremerkede tilskuddene, og de tok til orde for en ordning som tilsvarer det vi i dag har på ressurskrevende tjenester, for barnevernet. barnevernet. Fordi det også varierer så veldig mellom kommunene, og fordi det er situasjonsbetinget, kan jo de generelle parametrene for hvordan vi sikrer kommuneøkonomien, at de skal kunne ivareta disse behovene, på ingen måte treffe noen av disse store behovene som kan oppstå, f.eks. ved

I eit barn sine første leveår skjer det ei avgjerande utvikling som er grunnleggjande for livet seinare. Difor er tidleg innsats i barnevernet så viktig. Dette er det brei einigheit om. Sterke fagmiljø, god samhandling mellom kommunalt og statleg barnevern og ei god arbeidsdeling er avgjerande. Eg er glad for at interpellanten understreker dette i sin interpellasjon, og eg deler hennar bekymring for om dagens barnevern lever opp til dei ambisjonane som vi politikarar har lagt for tilboda som skal gjevast. Eg får dessverre sterke signal om at samarbeidsavtaler mellom Bufetat og kommunar, som var inngått for å styrkje samarbeidet, ikkje blir følgde opp av Bufetat. Det blir gjennomført omstillingar. Oppgåver som har blitt løyste tidlegare gjennom det statlege barnevernet, blir velta over på kommunane utan dialog og forvarsel. Grunngjevinga er manglande økonomiske ressursar i Bufetat. Men eg går ut frå at vi er einige om at økonomien i det statlege barnevernet er statens ansvar, og ikkje noko som kan krevjast løyst av kommunane. Styret i KS Rogaland har nyleg tilrådd kommunane å gå ut og seie opp samarbeidsavtalene. Fleire kan følgje etter, dette er uheldig. Det er spesielt nedlegginga og omstruktureringa av familie- og barnesentera som har fått begeret til å flyte over for mange i det kommunale barnevernet. I Region vest kan det sjå ut som at to tredjedelar av tilbodet blir av tilbodet blir borte. Tilboda i Førde og Stavanger blir lagde ned, medan tilbodet i Bergen blir redusert. Nettopp desse sentera er dei som kan rettleie foreldre om omsorgsevne, eller dei som kan kartleggje korleis omsorga for barn skal vere. Her rammar Bufetat dei svakaste, nemleg aldersgruppa 0–6 år. Då Stortinget behandla endringane i barnevernlova gjennom Prop. 106, blei det gjeve klare føringar for å sikre tilbodet til dei mest utsette familiane med spedbarn og småbarn. Eit forslag om å lovfeste dette tilbodet fekk ikkje fleirtal, men ei understreking at dette var ei spesialisert oppgåve som ikkje kunne overlatast til kommunane åleine, var det einigheit om. Det er tydeleg at her er det behov for noko klarare: ei lovfesting. Omstillingane som no blei gjennomførte av Bufetat på regionnivå, kan på ingen måte seiast å etterleve dei vurderingane som Stortinget har gjeve av korleis tilbodet skal gjevast og organiserast. dei vurderingane som Stortinget har gjeve av korleis tilbodet skal gjevast og organiserast. Det ligg òg klare føringar frå noverande regjering om korleis endringar i arbeidsdeling mellom det kommunale og det statlege barnevernet skal skje. Departementet seier i si bestilling gjennom disponeringsbrev for 2014: «Berørte kommuner skal gis anledning til å uttale seg om planlagte endringer i tilbudet til kommunene, og skal varsles i god Dette for at kommunene skal erfare størst mulig forutsigbarhet i tilbudet fra statlig barnevern.» Min reaksjon er først og fremst retta mot at det statlege barnevernet endrar føresetnadene for samarbeidet mellom kommunane og legg ned barne- og familiesentera. Det går ut over forsvarslause barn.

regler som fanger opp når det er omsorgssvikt, og når det er annerledeshet. Jeg synes det er viktig det som statsråden sa, at når fire av fem er fornøyd i fosterhjem, må vi se på hva som egentlig virker, og se om vi kan se beste praksis. Jeg synes statsråden også hadde et godt innfallspunkt når det gjelder rettssikkerhet for ungene, og at foreldre som fratas unger, faktisk også har behov for oppfølging. De trenger hjelp og støtte, og det er viktig, for det er ikke noe som er verre og vanskeligere enn at egne unger blir tatt fra en. Alle her skjønner at det må være vanskelig. Derfor må vi prøve å gjøre dette best mulig. Noen gjør det frivillig fordi de ser at de ikke kan ivareta ungene sine, mens andre tilfeller er mer dramatiske og skjer med tvang. Derfor er det veldig godt at statsråden følger opp dette arbeidet. arbeidet. Fosterforeldres rettigheter bør også vurderes med hensyn til dette. Lange forhold kan bety at de har hatt ungene i mange, mange år. Det er viktig at også ungene kan beholde kontakten med fosterfamilien videre. Som representanten Tønder sier, er det ikke lenger vanlige familieforhold når man får et fosterbarn. Det er veldig ofte unger som har stor ballast med seg. Da må man sette fosterforeldrene i stand til å ta imot dem på en god måte. Det kan være vanskelig, det er krevende, og det kan være ødeleggende for et ellers stabilt familieforhold hvis man ikke får den oppfølgingen, og ikke minst avlastningen, som er nødvendig i mange tilfeller. Fosterforeldrene gjør en kjempeviktig jobb for samfunnet. Da skylder vi dem å gjøre den veien og samfunnet. Da skylder vi dem å gjøre den veien og jobben lettere. Summert tenker jeg at kunnskap, kvalitet, oppfølging og ettervern samt støtte til fosterforeldrene og gode samarbeidsrutiner må være en sum av den debatten som har vært her i dag. Det er ikke enkelt. Summen av det er ganske mye. Men jeg håper at debatten vi har hatt i dag, kan løfte fosterhjemsdebatten opp, sånn at vi kan se løsninger, og at vi får en bedre fosterhjemsomsorg i framtida.

fosterforeldre. For å få dette til må vi også gi dem kurs så de vet hva de går til. Samtidig er det utrolig viktig at de får oppfølging. Når det er fire av fem som er fornøyd, er allikevel den ene som ikke er førnøyd, én for mye. Da må vi sikre at kommunene setter dette på dagsordenen, at de fokuserer på å gi rett og god oppfølging. at de fokuserer på å gi rett og god oppfølging. De gangene det kommer til konflikt mellom barnevernet og fosterfamiliene, må vi gjøre alt vi kan for å ordne opp i konflikten. Her må alltid barns beste være avgjørende. Når et barn må flytte fra den ene fosterfamilien til den andre, har vi ikke lyktes. Da må vi alle gjøre en jobb. Det var flere spørsmål som kom opp. Jeg har lyst til å si til representanten Aasrud at denne regjeringen var utålmodig. Vi ønsket å sette i gang med tilsynsførerordningen tidligere. Den har nå kommet i gang fra 1. februar. Kommunene skal rapportere hvordan det fungerer, fra 1. juli. Det er også viktig å si til kommunene at de kan ha samme ordning som i dag. Det er barnevernet som kan utføre dette tilsynet, men kommunen kan velge andre måter å gjøre det på.

Problemene trenger ikke være om de er små eller store, for vi ser, som flere har vært inne på, at det også er store kommuner som svikter når det gjelder barnevern. Derfor er det viktig at de kommunene som kan gå inn i interkommunalt samarbeid, gjør det. Konflikten mellom det statlige og det kommunale barnevernet har vært der, og den er vi nødt til å se på for å få mye bedre forhold. Det er et samlet storting som har gått inn for at kommunene skal få et større ansvar for barnevern. barnevern. Da må vi også sikre at kommunene er i stand til å overta den oppgaven. Jeg har lyst til å gi honnør til Kristelig Folkeparti, for det var kun de som hadde fremmet forslag under behandlingen av proposisjonen i vår om at familie/barn-sentrene skulle være lovpålagt. Jeg tror vi alle nå ser at vi må ha en gjennomgang av dette. Derfor stoppet jeg omstillingen som nå foregår, til vi får rapporten på bordet og ser hvordan vi kan utvikle tilbudet.

Svaret er selvfølgelig nei. La meg få lov til å nevne en dame ved navn Torunn Austdal Rasmussen. Hun mistet datteren sin, Tina, for snart 14 år siden. Tina var 20 år da hun forsvant, og innen hun ble funnet, ville hun ha fylt 21 år. Det fikk hun aldri oppleve. Torunn Austdal Rasmussen beskriver sitt liv med at hver dag starter med en stor, mørk sky, en mørk sky som skjuler det hennes datter ble utsatt for. Den 24. september i år vil det være nøyaktig 14 år siden Tina ble funnet drept. Torunn er redd for at det skal komme en dag da foreldelsesfristen blir nådd og drapsmannen kan stå fram uten å måtte ta ansvar for sine handlinger. Torunn har vært tydelig på at straffen kun er en del av det hun ønsker seg. Det aller viktigste er å få vite hvem som gjorde det, hvorfor vedkommende drepte datteren, og hvorfor overgrepet skjedde. «Først da kan jeg få en slags avslutning», sier hun. For justiskomiteen må det være uproblematisk å si at vi støtter Torunn Austdal Rasmussen fullt ut i hennes ønske om å få vite, og det gjør vi som komité noe med i dag. Flere tidligere regjeringer kunne med fordel ha tatt det initiativ justiskomiteen Stortinget tar i dag. Mitt mål er ikke å skylde på noen, men samtidig understreker jeg at muligheten så absolutt har vært til stede en rekke ganger. Desto større grunn er det nå til å glede seg over at et nesten samlet storting gir regjeringen en klar arbeidsordre – en ordre som regjeringen gladelig tar imot. Det er derfor en glede at vi legger fram en samlet La meg først få gi honnør til forslagsstillerne for å ha fremmet representantforslaget, til komiteen for å ha skapt enighet om disse viktige prinsipielle forslagene, og ikke minst: Jeg har lyst til å gi honnør til mitt eget parti for endelig å vinne fram etter en lang kamp, for Fremskrittspartiet har en rekke ganger fremmet det forslaget som vi i dag behandler, men da har det dessverre blitt nedstemt av flertallet på Stortinget. I innstillingen ligger det klare krav til dagens regjering.

vil de saker som berøres av de foreslåtte endringer her i dag, ikke bli foreldet når den kommende lovendring er sanksjonert av Kongen i statsråd. Det betyr at drapsmenn, voldtektsforbrytere og personer som har begått incest, må ta ansvar for det de har gjort. Dette er en endring som støtter ofrene for slik kriminalitet, og Stortinget retter nå opp noe av den tidligere urett som de har vært utsatt for. Komiteen har under sitt arbeid sett på om de foreslåtte endringene skulle kunne være i konflikt med Grunnloven § 97. Justiskomiteen er av den klare formening at så ikke er tilfelle, dette fordi saker som allerede er foreldet, ikke vil bli berørt av de endringer som her fremmes. Med andre ord vil lovendringene benyttes i saker som ikke er foreldet, og på denne måten rammes ikke endringene av Det er på mange måter en gledens dag i og med at vi nå kan samle oss og få på plass noe som burde vært en selvfølgelighet for lang tid siden. Samtidig er det trist at vi har måttet oppleve at en del alvorlige saker i vårt land har blitt foreldet på grunn av sendrektigheten i denne saken. Men nå er vi snart ved veis ende for å få på plass et lovverk som jeg tror også er i tråd med folks rettsoppfatning, og hvor vi setter offeret i sentrum,

vil fyrst og fremst takke komiteen for godt samarbeid og godt saksordførarskap. Eg vil òg takke Kristeleg Folkeparti for å reise dette representantforslaget. Denne saka er me tverrpolitisk einige om, og det er positivt at me no samla meiner at Stoltenberg II-regjeringa sende forslag om å fjerne foreldingsfristen for drap og seksuelle overgrep mot barn på høyring i februar i fjor og varsla då ein eigen proposisjon for Stortinget i løpet av 2013 etter at høyringsrunden var over. Saka er – som representanten Leirstein òg sa – greidd ut, og det er òg derfor Arbeidarpartiet er noko undrande i merknadane til at det ikkje låg føre ei dette representantforslaget kom. Det kan verke som påtrykket frå Kristeleg Folkeparti har vore viktig. Uansett er det veldig bra for saka si skuld, for ofra og dei pårørande, at det er full semje om at regjeringa skal kome til Stortinget med forslag til lovendringar i ein eigna proposisjon.

Det er bra, men det må vere lov å undre seg litt over kva nye utgreiingsbehov som no eventuelt ligg føre. Kva er det som konkret ikkje er greidd ut? Eg vil lytte til svara som kjem, når det gjeld det. Me har alle lese dei forferdelege historiene som dette gjeld, om ungar som er utsette for grov omsorgssvikt i oppveksten, og som har meld dette i ettertid. Me veit at veldig mange ungar aldri fortel korleis dei har det heime, at mange ber på historier frå barndommen som kjem fram seinare i livet. Fleire personar har òg gjeve slike historier eit andlet no i den seinare tida. Som leiar av Arbeidarpartiets utval mot vald i nære relasjonar er eg òg veldig oppteken av det ein kallar «den utskutte foreldelsesfristen», som ein ikkje konkret omtaler i forslags form i dag, for i dag er det slik at foreldingsfristen i saker om seksuell omgang med barn og saker om kjønnslemlesting blir rekna ut frå den tida den fornærma er 18 år. Dette er for å sikre at barn som blir utsette for seksuelle overgrep, får ein reell sjanse til å melde dette, og at dei er gamle nok til å kunne forstå kva dei har vore utsette for. Stoltenberg II-regjeringa ville utvide denne ordninga til å gjelde fleire straffbare handlingar mot barn og unge, som brot på avverjingsplikta, vald i nære relasjonar, tvangsekteskap m.fl., og eg håpar at dette punktet òg vil bli følgt vidare opp av den nye regjeringa i den varsla proposisjonen. Det er rettspolitiske grunngjevnader for at det blir sett punktum i straffesaker, men for dei aller grovaste brotsverka kan det ikkje bli sett punktum før lovbrytaren er straffa, uansett kor lang tid som er gått sidan brotsverket har skjedd. Arbeidarpartiet støttar forslaga fremja av Kristeleg Folkeparti i saka og ser fram til at regjeringa kjem tilbake til Stortinget som signalisert i brevet til

har politisk sendrektighet gjort at alvorlige forbrytelser har blitt foreldet på rad og rekke. Det er sterkt gledelig at støtten til denne lovendringen ser ut til å bli tverrpolitisk. Det er like gledelig at lovendringen vil komme raskt. Jeg har lyst til å rette en takk til forslagsstillerne i Kristelig Folkeparti som har brakt saken på dagsordenen, og til Fremskrittspartiet for å ha ivret for denne saken i lang tid. Særlig er det grunn til å takke statsråden, som gang på gang viser at mantraet «handlekraft» er mer enn bare et slagord. Å fjerne disse foreldelsesfristene er en riktig ting å gjøre. Fra noen hold er det likevel blitt hevdet at alle straffbare forhold på et eller annet tidspunkt må glemmes. Det kan nok gjelde for noen forhold, men absolutt ikke for alle. I dag kan vi få en situasjon hvor en drapsmann går fri – ikke fordi bevisene mangler, ikke fordi tilståelse mangler, ikke fordi straffbarhetsvilkårene mangler, men rett og slett fordi en standardisert foreldelsesfrist tilfeldigvis har utløpt. At en drapsmann skal kunne unndra seg ansvar og dom fordi klokken tikker og går mot en lovbestemt frist, er rett og slett ikke godt nok begrunnet. Så er det ikke slik, som noen hevder, at det nå vil være fritt fram for å hente opp igjen eldgamle saker for retten. Det er hevet over enhver tvil, slik også representanten Ulf Leirstein tidligere sa, at saker som er foreldet etter den gamle loven, fortsatt vil være Det har også vært hevdet av noen kritikere at det er ressurseffektivt for samfunnet å la grov kriminalitet foreldes på et eller annet tidspunkt. Dette er også en veldig lite treffende argumentasjon, for det vil ikke være slik at alle saker nå vil kunne tas opp – langt inn i evigheten. Vi må vite at vitnesbyrd mister sin bevisverdi over tid, og det er noe som både påtalemyndighet og domstoler er nødt til å ta hensyn til i sine vurderinger. Det vil nok fortsatt være noen forbrytelser som går over i historiebøkene uten dom, men det vi gjør nå, er å fjerne en firkantet og formalistisk regel som har stått i veien for helt grunnleggende rettferdighetsprinsipper, og vi erstatter med å gjøre det til en rettslig vurdering – ikke en måling av tidsfrister. Noen sår leges aldri. Selv om en dom i seg selv ikke kan erstatte, så kan den oppklare. Selv om en dom i seg selv ikke kan reparere, så kan den lindre. Denne regelendringen som Stortinget ber om i dag, gir en mulighet for at flere ofre og etterlatte etter grov kriminalitet kanskje kan få den oppreisningen som de før ikke kunne få. Høyre støtter hjertelig de forslag som er fremmet i Dokument

Drap, incest og voldtekt er svært forferdelige og alvorlige forbrytelser som krenker mennesket på det groveste. Dette er lovbrudd som preger offeret og pårørende i svært lang tid, kanskje livet ut. Foreldelsesreglene avskjærer muligheten for å reise straffesak og dermed også muligheten for at lovbryteren kan domfelles. Begrunnelsen for opprettholdelsen av foreldelsesreglene ved drap og alvorlige overgrep blir i så henseende av mindre betydning. Håndhevelse av loven i slike saker er viktigere både for den enkelte og for samfunnet generelt. Jeg skal ta for meg noen av argumentene mot vedtaket vi gjør i dag. Først til dem som hevder at fjerning av foreldelsesfristen kan forsterke faren for enten ved at bevis går tapt eller at bevisene blir mer upålitelige. Ja, noe av hensynet bak foreldelsesreglene er at bevis kan bli mer usikre jo lengre tid det går fra det straffbare forholdet har skjedd til saken kommer opp for retten. Bevisene må være klare, uavhengig av tidsmomentet Og dermed får ikke dette argumentet så stor betydning når det gjelder så alvorlige saker som drap og grove overgrep. Endringen vi gjør i foreldelsesreglene i dag, endrer ikke straffbarhetsvilkårene, så rettssikkerheten til den enkelte borger står like sterkt – om ikke sterkere. Dessuten har det de siste årene skjedd store teknologiske framskritt, som taler for å vurdere dette på nytt. Når vi har mulighet til å finne gjerningspersonen etter lang tid, gjennom f.eks. biologiske spor, vil det være avgjørende at det også er mulig å dømme gjerningspersonen. Så til argumentet om at foreldelsesreglene skal sikre at påtalemyndigheten etterforsker straffbare handlinger innenfor rimelighetens grenser. Vi vedtar i dag å fjerne foreldelsesfristen for drap og seksuelle overgrep, og drap og alvorlige overgrep skal prioriteres av påtalemyndigheten uavhengig av foreldelsesreglene, noe som etter min mening gjør at også dette argumentet dermed ikke kan vektlegges tungt. Et tredje argument er at behovet for straff avtar med årene. Dersom den skyldige ikke har begått nye lovbrudd, vil behovet for å straffe gjerningspersonen reduseres, og har lovbryteren begått nye straffbare forhold,

men ved drap, incest og voldtekt kan dette argumentet ikke tillegges samme vekt. Vi velger klart ofrenes side. Foreldelsesfristen ved drap og voldtekt burde vært fjernet for lenge siden, men i dag får vi heldigvis flertall for Kristelig Folkepartis forslag om å fjerne den. Det gjør dette til en viktig dag for mange og kan bidra til at personer som før ville sluppet unna de mest alvorlige forbrytelsene, nå kan stilles til ansvar for handlingene sine, selv etter lang

slik forslaget no tek inn over seg. Samtidig er vi klare på at andre, mindre alvorlege forhold bør behalde sine fristar. Det å oppheve foreldingsfristen for dei mest alvorlege typane kriminalitet er viktig både for dei fornærma og for dei etterlatne, men også for politiet, ved at dei blir gjevne verktøy til å kunne etterforske og iretteføre saker også etter ei viss tid. Stoltenberg II-regjeringa sette i gang eit viktig arbeid med desse prinsipielt krevjande spørsmåla. Vi hadde ein prosess utover hausten, fram til regjeringsskiftet i fjor. Dessverre tok ikkje den nye regjeringa fatt i den prosessen med ein gong. Det er derfor svært gledeleg med dette forslaget som kom frå Kristeleg Folkeparti, som vidarefører vårt syn på saka. For mange fornærma og etterlatne er det ikkje alltid det viktigaste å få ein gjerningsperson dømt; det kan vere vel så viktig å få nokon svar. er det viktig at politiet – som den einaste offentlege, og viktigaste, etterforskingseininga vi har – også kan fortsetje undersøkingar etter gjevne tidspunkt. Samfunnet har òg ei interesse av å ikkje leggje til rette for lovtomme rom, berre basert på medgått tid. Gjerningspersonar som har gjort alvorlege kriminelle handlingar, som drap, valdtekt og seksuelle overgrep mot ungar, skal ikkje føle seg trygge på at dei ikkje blir stilte til Stortinget skal vere oppmerksam på at bevissituasjonen, når ein skal føre saker gjennom rettssystemet etter at dagens foreldingsfristar har gått ut, vil vere krevjande. Levande bevis gløymer ting, og truverdet til forklaringa kan bli svekt. Her står ein overfor betydelege utfordringar, men forhåpentlegvis kan det at vi opphevar foreldingsfristen for dei verste lovbrota, føre til at nokre fleire får svar på spørsmåla dei har. Teknologien går framover. Nye analysemetodar av biologisk materiale kjem. Dette kan i framtida gje viktige svar. Eg vil her nemne kor viktig DNA-reforma var. Det er heilt sikkert at det vil bli løyst fleire valdtekts- og drapssaker framover med den teknologien vi har framfor oss. Senterpartiet er glad for den lovendringa som no blir vedteke. Det viser at Stortinget, som representanten Ropstad sa, klart står på

på vegne av Venstre. Venstre kommer til å stemme for II og IV i forslaget. Disse punktene i forslaget gjelder utskutt foreldelsesfrist i saker om menneskehandel og kjønnslemlestelse. Foreldelsesfristen vil etter forslaget ikke begynne å løpe før fornærmede fyller 18 år. De øvrige delene av forslaget omhandler opphevelse av foreldelsesfristen, Foreldelse av straffbare handlinger er et grunnfestet prinsipp i vår liberale rettsstat. Selv om vi i dag har opphevet foreldelsesfristen for forbrytelser som folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og terror, skal vi vokte oss for å skape en presedens som senker terskelen for å fjerne foreldelse for øvrige forbrytelser. Bevisene svekkes over tid, og faren for feiltakelser og justismord øker. Nettopp fordi beviskravet må være like strengt når det har gått lang tid, vil det være vanskelig å tenke seg at det vil være aktuelt å reise straffesak mer enn 25 år etter at en alvorlig handling er begått. Som kjent vil ikke ett teknisk bevis alene kunne føre til domfellelse. Det må kreves at det er en samlet vurdering av bevisene som gir sikkerhet for å konstatere straffeskyld. Selv om noen bevis kan være i behold, kan andre ha gått tapt eller blitt upålitelige. Behovet for straff i samfunnet og hos fornærmede og pårørende avtar etter hvert som tiden går. Mange fornærmede vil ha behov for å legge saken bak seg. Straffen vil også ha liten eller ingen funksjon overfor den skyldige som eventuelt stilles til ansvar for en ungdomssynd på slutten av et langt liv, f.eks. 50 år etterpå. Samlet sett må det avgjørende være at hensynene som taler imot straffeforfølgning, øker i styrke etter hvert som tiden går, og at faren for å ramme uskyldige ikke kan overskygge et eventuelt straffebehov i enkelte saker. I høringsrunden som gikk i 2013, var det flere faginstanser som stilte seg kritisk til å oppheve foreldelse på de aktuelle forbrytelsene. Enkelte av høringsinstansene pekte også på at noen av forslagene først og fremst hadde mer enn en reell endring som vil medføre flere domfellelser. Vi kan ikke la media styre utviklingen av vår strafferett og vår straffeprosess. Venstre går derfor imot forslaget fra justiskomiteen, med unntak av II og IV, som vi har lyst til å stemme for.

vi alle saman skulle leggje vekk det no og innrømme at dei som skapte denne endringa, var andre enn oss sjølve. Det var sånne som Annett Berntsberg Eck og mange andre enkeltpersonar som stod fram og fortalde sine historier og gjorde alle parti oppmerksame på at det her var nødvendig med ei endring. I førre runde, då det kom opp, gjekk – så langt eg kunne finne ut – alle eller nesten alle partia ut og støtta det. Det vart sendt eit forslag på høyring frå den førre regjeringa. No har det kome eit Dokument 8-forslag, som får den same, breie støtta, og det er varsla at regjeringa vil kome med ei sak til Stortinget om det. Eg synest ei verdig historieforteljing er at vi har oppdaga nokre nye ting i samfunnet. Vi tek dei forholda det her er snakk om dei forholda det her er snakk om – den alvorlege kriminaliteten – på eit kanskje djupare alvor enn vi har gjort før, og vi forstår kanskje meir av karakteren deira: Det tek ofte lang tid før dei kjem opp. Og vi forstår kanskje betre nødvendigheita av å forandre foreldingsfristen. Det er av og til positivt at det er lov å erkjenne endring, og at det kan vere brei einigheit om det her i Stortinget. Avslutningsvis vil eg berre seie at eg i tillegg håpar å sjå at når forslaget kjem til Stortinget, inneheld det den fulle breidda av ulike forhold som vart sende på høyring i si tid, dvs. at det òg omfattar vald i nære relasjonar, tvangsekteskap, menneskehandel og enkelte andre forhold, som ikkje var ein del av Dokument 8-forslaget no, men som har vore på høyring, og som kan vere ein del av regjeringa sitt forslag. Eg håpar vi vil sjå det når den tida kjem.

den marsjordren som Stortinget i dag gir regjeringen. Det er et viktig signal at en enstemmig komité og nesten et enstemmig storting står bak de forslagene som i dag vedtas. Jeg har lyst til å knytte noen kommentarer til behandlingsprosessen. Jeg tror det var representanten Vågslid som indikerte at dette hadde tatt lang tid med den nye regjeringen. Jeg har lyst til å minne om at hennes egen regjering satt i åtte år og la dette ut til høring først det siste året de satt. Denne regjeringen har fulgt opp det arbeidet som den forrige regjeringen igangsatte, men det er vanskelig å gjøre det raskere enn det som nå er blitt gjort, og vi er nå i en situasjon hvor regjeringen vil legge frem disse konkrete endringsforslagene senest i forbindelse med revidert, som det står i innstillingen. Jeg tror også det er verdt å merke seg det representanten Solhjell sa, nettopp knyttet til den rettspolitiske utviklingen som har vært. Selv om foreldelsesfrist for alvorlig kriminalitet har vært diskutert i mange omganger og i mange ulike fora, er det først de senere årene at man har sett en utvikling fra det å ha et ganske prinsipielt utgangspunkt om at alt skal foreldes på et eller annet tidspunkt, til at man gradvis har sett på enkelte av de mest alvorlige kriminelle handlingene på en litt annen måte. Det gjelder terror, forbrytelser mot menneskeheten, og nå gjelder det også de områdene som omtales konkret i innstillingen. Jeg har også lyst til å understreke – som også er gjort i mange av de gode innleggene som har blitt holdt fra talerstolen – at dette gjelder for de mest alvorlige tilfellene. Men det endrer ikke beviskravene.

deres ikke er løst. Jeg tror også denne situasjonen vil føre til at vi bør se på hvordan vi behandler disse sakene, som er blitt gamle. Det er nødvendig å se om vi følger opp saker som har ligget over år, på en god nok måte. Jeg vil i den sammenheng gå i dialog med påtalemyndighetene for å se om den måten disse sakene følges opp på i dag, er god nok, og hva vi kan gjøre for å forbedre prosessen og oppfølgingen av saker som har ligget lenge. Det blir replikkordskifte.

er ikkje unik. Justisministeren skriv i sitt svarbrev til komiteen at ein tek sikte på å sende ein proposisjon til Stortinget før sommaren der spørsmålet er grundig greidd ut, dette trass i at fleire framstegspartirepresentantar har sagt at saka er nok greidd ut. Saka som ligg i Stortinget i dag, er ikkje utradisjonell, og ho legg heller ikkje opp til at lovforslaga blir vedtekne direkte, slik Ellingsen seier til VG. Då er spørsmålet: Kva er det som er utradisjonelt og unikt med framgangsmåten frå regjeringspartia i saka,

representanten Vågslid legge frem et eksempel på at Stortinget på denne måten, på den konkrete måten som det her gjøres, instruerer regjeringen i hva en skal legge frem for Stortinget. Det har i alle fall ikke skjedd under den åtteårs-perioden hennes eget parti satt i regjering, og det har heller ikke skjedd så langt i denne stortingsperioden. Det er utradisjonelt. Vanligvis er Stortinget betydelig mer romslig i sine beordringer til regjeringen når sånne representantforslag behandles. Det som har vært viktig for regjeringspartiene, og helt sikkert også for forslagsstiller, er at en skal ha en prosess som er så rask som overhodet mulig. Det får man ved at Stortinget nå legger et enda sterkere press på regjeringen enn det som allerede var utgangspunktet. Hvis representanten kunne være vennlig å legge frem noen konkrete saker hvor tilsvarende forslag er vedtatt i Stortinget, i siste perioden f.eks., ville jeg være begeistret for det.

Er det slik å forstå at ein skal greie vidare ut no, utover det som Stoltenberg II-regjeringa gjorde? Og kva for konkrete delar av forslaget som er fremja her i dag, meiner statsråden ikkje er greidde godt nok ut? Det som gjøres, er at man skriver en proposisjon til Stortinget. Vi skal gjøre det enda raskere enn det jeg skrev i brevet til komiteen, fordi Stortinget nå vedtar at den skal legges frem senest i forbindelse med revidert. Saken er jo godt utredet. Den har vært på høring, og det er utferdigelsen av proposisjonen som da

om vi kan forvente at den òg vil innehalde spørsmåla om vald i nære relasjonar, tvangsekteskap, menneskehandel og eit par forhold til, som ein del av det som har vore på høyring. Eg synest det ville vere viktig, for det er òg snakk om svært alvorlege lovbrot, som eg oppfattar har i seg nokre av dei verdimessige endringane som vi har inne på, og som eg bl.a. var inne på i mitt innlegg. Kan vi forvente det? Det vil være en av de vurderingene regjeringen vil gjøre underveis i arbeidet med denne proposisjonen, og det vil bli forankret i regjeringen på vanlig måte. Replikkordskiftet er omme. Endelig har vi tatt de første skrittene på veien for å løfte ofrene. Det er ikke lenge til

regjeringen. Dermed ble Therese-saken foreldet. Hver måned slipper altså nye gjerningspersoner fri fra konsekvensen av kriminelle handlinger som er blitt begått, og hver dag finnes det personer som kan gni seg i hendene og si: Der slapp jeg unna. Jeg skal ikke drøye dette innlegget. Det meste har jo blitt sagt. Men at

Mange av disse sterke kvinnene og sterke mennene sitter på galleriet her nå. Uten disse ville våre ord her i dag vært uten kunnskap, og de ville ha vært uten forståelse. Som sagt er fjerning av foreldelsesfristen bare en begynnelse for å løfte ofrenes rettigheter. Snart kommer det mer.
Iselin Nybø

forbrytelser som foreldelsesfristen er opphevet for. Da vi spurte utredningsseksjonen her på Stortinget om en hadde eksempler på tilfeller der man hadde oppklart en forbrytelse etter at foreldelsesfristen var utløpt, så lenge man ikke kan få noen straffedømt. Men de hadde ett tilfelle som de kjente til. Det var et drap hvor gjerningsmannen hadde stått fram etter og han hadde stått fram på grunn av at foreldelsesfristen var utløpt. Da fikk de pårørende svar på hva som hadde skjedd, og hvem som hadde gjort det. For noen betyr det òg noe, og for noen betyr det mest, mer enn det å kunne få dømt en person som har gjort en handling for veldig lang tid tilbake. Det er ikke sånn at ikke Venstre òg har stor sympati for disse overgrepene, men dette har som sagt vært et grunnleggende prinsipp i vår liberale rettsstat helt fram til nå, hvor det nå fravikes. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Jeg vil bare innledningsvis si at mitt innlegg gjelder sakene nr. 4 og 5 på sakskartet i

Det som er viktig å understreke, er at saken ikke innebærer noen endringer i menneskerettighetskonvensjonens materielle rettigheter. Det er mer en modernisering av språkbruken, vil jeg si. Jeg vil også peke på vedlegget i saken. Justiskomiteen sendte et spørsmål til Utenriksdepartementet der vi bad om en presisering av tolkning av oversettelsen av konvensjonsteksten fra engelsk til norsk. Jeg vil bare vise til vedlegget til innstillingen, hvor Utenriksdepartementets utdyping og presisering er beskrevet for

i politietaten som motverkar moglegheita vår til å kunne påverke. Politiet står sterkt blant innbyggjarane i Noreg. Det varmar hjartet til ein justispolitikar at det er slik, for det at politiet nyt høg tillit, er viktig. Dette gjeld både politiet som etat og enkeltpersonane i etaten. I mange land blir politiet sett på like mykje som ein trussel som noko som skaper tryggleik. For dei fleste som bor i Noreg, er det ikkje slik. Politiet er viktig i Nærpolitiet er, som ordet seier, nært. Det inneber kjennskap til folk og forholda i området, både samfunn, næringsliv, geografi og den aktiviteten som føregår blant både vaksne og ungar. Samtidig er det ingen tvil om at dette nærpolitiet no er trua. I politidistrikta blir mange lensmannskontor tappa for ressursar. Nyleg tok ein lensmann kontakt med meg og fortalte at hans politimeister tidlegare hadde fjerna fire stillingar frå kontoret og at alle dei andre politibetjentane no også skal forsvinne. Lensmannen blir sitjande igjen åleine med ein halv kontormedarbeidar. Eg har brukt uttrykket at lovens lange arm blir amputert med utviklinga med stadig færre lensmannskontor. I slike tilfelle som er nemnt no, er det ikkje snakk om ein amputasjon ved olbogen eller handleddet, men at fingrane blir tekne bort ein for ein, og at ein til slutt sit igjen berre med handflata. Då blir det ikkje igjen mange argument for ikkje å ta resten. handflata. Då blir det ikkje igjen mange argument for ikkje å ta resten. Da er vi ved kjernen i dagens problemstilling: Kva er å leggje ned eit lensmannskontor? Lova seier klart at ingen lensmannskontor skal ein kunne leggje ned utan at det er oppe til behandling i regjering, ved ein kongeleg resolusjon. Men det er etter mi meining klart ei nedlegging i praksis når stillingane blir plukka vekk slik som dei har vorte frå den nemnte lensmannen, og på mange andre kontor rundt om i landet. Dei mister fingrane sine, som er politibetjentane og dei Handflata som er igjen, er eit tomt eller nesten heilt tomt kontorlokale med ein lapp på døra om at folk må ta kontakt ein annan plass, eller at det er ope berre mellom kl. 9 og 12 på fredagar. Eg lurer på om statsråden kan forklare korleis ein skal forstå lova, og kva politimesterne reint formelt kan gjere innafor rammene av lova. I tillegg til det reint formelle er det ein annen viktig dimensjon her, og det er at vi som nemnt ventar på ei folkevald handsaming av ei viktig politireform. av lensmannskontor, ikkje fordi det skal stå halvtomme eller tomme kontorlokale der, men fordi vi skal ha eit aktivt nærpoliti som kjenner folk, og som folk kjenner ansikta på. Derfor ønskjer eg ein brei debatt nå, som belyser desse temaa. Det er viktig at Stortinget klart vektlegg at ein må ta ting i riktig rekkjefølgje, og at Politi, beredskap og organisering vil bli hyppig debattert i denne salen framover. Store spørsmål er varsla, og forhåpentleg blir desse debattane faktabaserte. Beredskap og politidekning er sentralt for at folk skal føle seg trygge. Mange er urolege for korleis det skal bli i kommunane dersom nærpolitiet forsvinn. Engasjementet for å behalde lensmannskontoret er stort når folk ser at det er trua. Politiet må organiserast slik at dei skaper tryggleik for folk i kvardagen, samtidig som dei er i stand til å takle større hendingar. Noreg er eit langstrakt og ganske krunglete land. Strukturen i politiet må vere tilpassa dette. Vi må ha ein modell som passar til våre forhold. Erfaringar frå andre land er absolutt nyttige å ha med seg, berre ein ikkje gløymer dei forholda som trass alt er spesielle for landet og samfunnet vårt. Politiet har mange viktige funksjonar. Dei skal vere synlege og vere til stades. Dei skal kunne drive førebyggjande arbeid, vere raskt på pletten når noko skjer og etterforske sakene både raskt og godt. Eg er oppteken av at politiet skal ha eit ansikt. Som sonen min ein gong sa da han høyrde at eg brukte omgrepet nærpoliti: Mamma, når eg høyrer ordet nærpoliti, tenkjer eg på han Per politi. Per politi. Per politi er namnet vi bruker på ein politibetjent som bur i kommunen vår. På grunn av det lokale lensmannskontoret der vi bur, ser vi ikkje på politiet som eit ansiktslaust inn- og utrykkingspoliti. Ordninga med inndeling i lensmannsdistrikt har lange tradisjonar i Noreg. Distrikta har samanheng med kommuneinndelinga, og det å opprette eller leggje ned lensmannsdistrikt må handterast i statsråd, etter handsaming i kommunane. Intensjonen har vore at vi skal ha eit lokalt politi og eit politi som er til stades i heile landet. Dette er ein lovregulert framgangsmåte som politimeistrane er forplikta til å følgje. Men somme plassar har det breidd seg ei oppfatning om at det å samlokalisere lensmannskontor er noko anna enn å leggje dei ned. Omgrepsbruken blir altså viktigare enn

blir tappa for ressursar, eller som er trua med å bli lagde ned. Ein praksis med sniknedlegging av lensmannskontor gjer oss som politikarar makteslause. Når ein går utanfor fastsette prosedyrar, mister vi våre verkty for å kunne påverke samfunnsutviklinga. Vanleg flytting og rokkering av ressursar mellom tenesteeiningar må kunne seiast å liggje innanfor styringsretten til den enkelte politimeisteren, ettersom kor det er akutt behov for folk. Men det må vere ei allmenn forståing av at det ikkje er anledning til å redusere ressursane i eit lensmannsdistrikt i så stort omfang at kontoret ikkje kan gjennomføre dei funksjonane det er pålagt etter lova. Det har også kome eit klart signal frå Politidirektoratet om at det å leggje ned lensmannsdistrikt gjennom å redusere bemanninga, ikkje er akseptabelt, og at det bryt med intensjonen i lova. Det verkar altså som om lova er forstått godt sentralt i politiet, men det synest ikkje som om alle politidistrikta har den same forståinga. Den tidlegare justisministeren i den raud-grøne regjeringa, Grete Faremo, tok da også opp dette temaet direkte med Politidirektoratet for å klargjere at ein i påvente av politireforma skulle la prosessar med strukturendringar liggje. Eg meiner den noverande justisministeren må gjenta og gjerne forsterke den bodskapen og vil gjerne høyre om han har tenkt å gjere det,

Det er viktig at avstanden til det lokale lensmannskontoret ikkje er for stor. Det handlar om at politiet skal kunne førebyggje kriminalitet, oppdage lovbrot raskt og klare opp mest mogleg. I den komande stortingsbehandlinga av politireforma kjem Senterpartiet til å arbeide for at nærpolitiet skal bli styrkt. Til slutt: Eg håpar justisministeren vil slå fast at dersom endringar i lensmannsdistrikt skal gjerast, må ein Vi kan ikkje godta ein praksis kor lensmannskontora blir utarma, slik at det i realiteten inneber ei nedlegging sjølv om saka ikkje har vore oppe i

Det følger av politiloven § 16 at politiet skal være organisert i politidistrikter, og at disse igjen skal være inndelt i lensmannsdistrikter og politistasjonsdistrikter. Det hører under Kongen å fastsette politidistriktsinndelingen og inndelingen i lensmannsdistrikter og politistasjonsdistrikter. En del steder er flere lensmannskontorer og politistasjoner organisert i en felles driftsenhet, som også kalles region. Slike driftsenheter ivaretar en del fellesfunksjoner og ledes av en av de lensmennene eller politistasjonssjefene som inngår i driftsenheten. Formålet med de felles driftsenhetene er bl.a. å sikre en best mulig beredskap i distriktene og gode tjenesteordninger som er i samsvar med arbeidstidsbestemmelsene. Innholdet i disse ordningene varierer noe, og det kan være ulike syn på hvor mye av virksomheten ved lensmannskontorene og politistasjonene som kan regionaliseres uten å komme i strid med lovens intensjon om hva som skal ligge til et lensmanns- eller politistasjonsdistrikt. Myndigheten til å opprette felles driftsenheter ligger i utgangspunktet til departementet. Ved tildeling av myndighet til Politidirektoratet under den forrige regjeringen i 2010 til å fastsette den administrative driftsenhetsstrukturen ble det fra departementets side lagt til grunn at det er den enkelte lensmann som har den faglige ledelsen ved lensmannskontoret, mens den interne eller administrative organiseringen av budsjett, personalansvar, virksomhetsplanlegging m.m. ivaretas av den lensmann som er driftsenhetsleder. I departementets brev til direktoratet uttales det også at det ved endring i driftsenhetsstrukturen ikke blir endringer i grensene eller i utadrettete oppgaver for tjenesteenhetene, og at lensmannskontorene består og ivaretar de samme politimessige oppgaver og namsmannsfunksjoner som før. I brevet er det videre fastslått at etablering av driftsenheter skal skje i nært samarbeid med de berørte kommuner og de tilsattes NOU 2013:9, ofte kalt «politianalysen», inneholder forslag om en del organisatoriske endringer i politiet. Som kjent er det foreslått å redusere antallet politidistrikter, fra dagens 27 distrikter. Utvalget har skissert tre modeller med henholdsvis åtte, ti og seks politidistrikter, og utvalget har anbefalt den siste. Videre har utvalget anbefalt at antallet tjenestesteder lokalt, dvs. lensmannskontorer og politistasjoner, reduseres betraktelig, fra dagens ca. 350 tjenestesteder. Som begrunnelse for forslaget om å redusere antallet politidistrikter, peker utvalget bl.a. på at dagens politidistriktsinndeling ikke gir de nødvendige forutsetningene for å utvikle spesialistfunksjoner og kapasiteter til å håndtere større og alvorlige hendelser godt nok. Bakgrunnen for forslaget om å redusere antallet lokale tjenestesteder er særlig at dagens struktur ifølge utvalget ikke gir tilstrekkelig effektivt lokalpoliti eller nok publikumstjenester lokalt. Utvalget peker bl.a. på at mange små tjenestesteder med få ansatte, knyttet opp til andre oppgaver enn kjerneoppgavene, verken gir effektiv forebygging, god responsevne eller effektiv kriminalitetsbekjempelse. Mange har støttet utvalget i at det er behov for færre For øvrig viser høringen av politianalysen at det i stor grad er ulike syn på forslagene, både om hvor mange politidistrikter vi bør ha, og om hvorvidt det bør gjøres endringer i lokal struktur. Jeg legger vekt på å bygge et solid fundament for oppfølgingen av politianalysen og tar sikte på å komme til Stortinget med saken på egnet måte. I mellomtiden, frem til endringene eventuelt er vedtatt og satt i kraft, må politiet naturligvis følge det etablerte regelverket med hensyn til endringer. Jeg vil ikke utelukke at det kan være grunnlag for justeringer i lokal struktur også før vedtak om politistruktur fattes i Stortinget, men poenget er at i denne sammenheng må endringene skje i samsvar med regelverket. Jeg har truffet konkrete, formelle vedtak i statsråd om sammenslåing av lensmannskontorer også den siste tiden. Senest skjedde det i februar i år, da Stokke og Tjøme lensmannskontorer og Tønsberg politistasjon ble slått sammen. Jeg er kjent med at innholdet i regionordningene har vært drøftet en rekke steder, bl.a. gjelder det for regionordningene i Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Nord-Trøndelag og Troms politidistrikter. Noen steder er det lagt til en nabolensmann å drifte et lensmannskontor i påvente av en regionordning og definering av oppgaver, bl.a. har en i Sunnmøre politidistrikt ventet med å lyse ut lensmannsstillingen i Herøy og Sande og i Ørskog. Politidirektoratet har opplyst til departementet at det nå tar sikte på å lyse ut lensmannsstillingene i løpet av våren 2014. Innenfor det enkelte politidistrikt er politimesteren ansvarlig for å fordele ressursene på en måte som best mulig ivaretar befolkningens behov for polititjenester. Ressursene må med andre ord kunne brukes der det er størst behov for dem. Men politidistriktene kan ikke redusere bemanningen på det enkelte lensmannskontor i et slikt omfang at kontoret ikke lenger kan fylle de funksjoner som loven forutsetter at det skal ha. Underveis i omstillingsprosesser kan en i kortere perioder la én lensmann styre to lensmannsdistrikter. Departementet har tidligere i en annen sammenheng vist til at Politidirektoratet legger til grunn at det vil være akseptabelt innenfor et Jeg vil arbeide for at vi skal ha et godt nærpoliti som dekker behovet for polititjenester i hele landet, men veien til et godt nærpoliti ligger ikke nødvendigvis i å bevare alle deler av dagens struktur. Det sentrale må være hva politiet leverer. Jeg ser frem til gode diskusjoner om dette i forbindelse med oppfølgingen av politianalysen. I mellomtiden skal politiet respektere de begrensninger som ligger i lov og fullmakt. Jeg vil sørge for at

Men eg er ein sterk motstandar av at ein omgår lovverket, og eg er også ikkje minst oppteken av at Stortinget skal kunne ha moglegheita til å påverke reelt når vi får politireforma opp etter kvart. Politiet har mange viktige oppgåver – ikkje berre dei reine politioperative oppgåvene – og det skal ikkje undervurderast. Lensmannen opptrer som namsmann, leier enkelte typar skjønn og har andre viktige forvaltningsoppgåver, og desse oppgåvene må ikkje i for stor grad bli

skal bli teke i denne salen – ikkje regionalt, basert på kortsiktig, økonomisk gevinst. Så har vi omgrepet «nærpolitiet». «Nærpolitiet» er ikkje berre eit fint ord, det skal også fyllast med innhald. Eg trur det kjem til å vere slik at Senterpartiet skil lag med m.a. Framstegspartiet i den debatten som vil kome når det gjeld kva ordet «nærpoliti» skal vere, kva «nærpoliti» er for noko. Det er ganske sterke krefter som meiner at det å ha eit politi på hjul, eit politi som kan kome relativt raskt når noko skjer, er nok til at det kan kallast «nærpoliti». Eg er oppteken av det politiet som òg har eit ansikt. Eit ansiktslaust politi bak mørke ruter, som igjen kan definerast som både eit innrykkings- og eit utrykkingspoliti, er ikkje nødvendigvis det politiet som skaper tillit til etaten, og som – ikkje minst – gjer at ungar kan kalle ein lensmannsbetjent for Per politi også i Jeg tror det er viktig å skille mellom et lensmannskontor og det som er den lokale nærpolitikraften, for det er ikke mye verken forebyggingsaktivitet eller responskvalitet på et lensmannskontor som er oppe tre dager i uken fra kl. 8 til kl. 16. Jeg tror nok det er viktig ikke å tro at en har et mye bedre nærpolititilbud rundt omkring i Norge i dag enn det vi faktisk har. Jeg er nok av den oppfatning at veldig mange tror at de har et bedre polititilbud enn det politiet faktisk kan levere. Og det har en pris også i dagens struktur når en skal balansere mellom det å ha ansikter på lensmannskontoret på den ene siden og det å ha utrykningskapasitet til å komme når folk virkelig er i nød. på den ene siden og det å ha utrykningskapasitet til å komme når folk virkelig er i nød. Denne balansen tror jeg det er viktig at vi adresserer under arbeidet med politianalysen, for dette vil ha en kostnadsside, enten på den ene eller på den andre siden. Rasjonalitet innenfor de rammene som politiet uansett må forholde seg til, bør være denne sals viktigste fokusering når vi jobber med politianalysen, slik at vi overalt kan få det og sette de kravene som vi mener er relevante også for nærpoliti. Jeg tror det er farlig hvis vi i for stor grad romantiserer den «gammeldagse» lensmannen, som var overalt alltid. Vi har en annen type politi i dag enn det vi hadde for 30 år siden – på godt og vondt. Det er også et perspektiv en må ha med seg når en diskuterer

Vi må lykkes på alle disse tre områdene for å lykkes med en politireform. Jeg gleder meg egentlig til å samarbeide med både Senterpartiet og de andre partiene i Stortinget om hvordan vi ønsker at fremtidens politi skal være. Jeg har bare ett eneste håp – ett eneste ønske. Det er at det ikke blir et politisk spill, men en politisk prosess som sikrer oss fremtidens politi på en best mulig måte.

i vårt demokrati. At min nabo, Mette, uten forbehold ringer politiet med en gang hun oppdager at bilen er stjålet, eller at mitt barnebarn med den største selvfølgelighet sier at politiet er snilt, er uttrykk for den tillit og de forventninger vi har til politiet som forvalter av våre felles moralske verdier, uttrykt i vårt lovverk. Politiet skal forvalte disse verdiene, også gjennom å forebygge og samarbeide med etater utenfor politiet. Arbeiderpartiets medlemmer i justiskomiteen er på politidistriktsturné for tida. Vi har tatt mål av oss å besøke alle politidistrikter før påske og snakke med ledelse, tillitsvalgte og våre politiske kolleger ute i kommunene. Det er, og har vært, en spennende og nyttig reise. Politianalysen peker på to hovedforhold. Det er at oppgavene er omfattende – antallet sivile oppgaver har økt og er tydeligere regulert enn kjerneoppgavene og at strukturen er til hinder for å oppnå bedre polititjenester. De tilbakemeldinger jeg har fått i mine møter, er bl.a. at de nå venter på svar. Mange vil komme i gang, og de venter på de nødvendige avklaringer. Jeg vil også si at det generelle bildet er at de jeg har møtt, stort sett er positivt innstilt til endringer. Og de er opptatt av den faglige kvaliteten. For meg og Arbeiderpartiet er kvalitet og nærhet viktig. Kvalitet handler om oppgaver og innhold og om ledelse og kultur. Skal politiet utstede pass og drive med utleggsforretninger? Skal vi skape et mer rendyrket politi, der de sivile oppgavene er færre? Hvor sterk skal den sentrale styringa være? Hvilket ansvar og hvilke oppgaver skal ligge hos hver politimester? Samhandlinga internt i et distrikt må være størrelse. Det samme må samhandlinga mellom distriktene være, også uavhengig av størrelse. Vi har også en utfordring når det gjelder samhandling mellom forskjellige etater. Jenny Klinge var inne på det i sitt innlegg: Norge er mangfoldig og har naturlige geografiske og værmessige utfordringer, som må hensyntas når en skal finne en god løsning. Blant annet i Agder er det tatt noen grep, i tråd med det som statsråden var inne på. Både tillitsvalgte og ledelse fortalte oss at de stort sett var fornøyd med den organiseringa de hadde, og at det også utløste – som statsråden sa – bedre kvalitet på mange områder i regionen. Vi er opptatt av at organiseringa skal være et reisverk rundt de oppgaver politiet skal løse. løse. Jeg er enig med interpellanten i at det er viktig at regjeringa så snart som mulig kommer til Stortinget med konkrete forslag til løsning. Det skal ikke etableres løsninger på tvers av politiske føringer. Derfor bør et bredt politisk flertall raskt involveres i hvordan Politi-Norge skal se ut. Arbeiderpartiet vil være en positiv drivkraft i det arbeidet, og vi vil gjerne bidra med å spille reformen god. Mindretallsregjeringa må til Stortinget for å få flertall. De signaler ministeren har gitt tidligere – og som han har gjentatt her i salen i dag – at han ønsker en bred enighet om løsningen av denne oppgaven, er vi veldig tilfreds med. Arbeiderpartiet vil ha et tilgjengelig politi, et politi som raskt oppklarer kriminalitet, som etterforsker med høy troverdighet og med stor resultatoppnåelse, som arbeider godt sammen internt og med andre etater, og som også sørger for trygghet for alle gjennom god beredskap. Mette, naboen, skal fremdeles kunne ringe til politiet med en gang bilen forsvinner, og oppleve å få god hjelp og rask oppklaring. Innbyggerne i Hammerfest skal ha trygghet for at når det skjer ulykker på vidda og i nærmest utilnærmelige strøk i naturen, har politi og redningsenheter kompetanse, tilstrekkelig utstyr og ressurser til å drive godt redningsarbeid. Barnebarnet mitt, Magnus på fem, skal fremdeles kunne si at politiet er

Jeg vil også takke statsråden for et godt svar, et balansert svar, som gir et stort handlingsrom for å håndtere denne saken politisk i Stortinget, en sak vi alle er opptatt av å finne gode løsninger på. Her er ingen fasit gitt. Det må understrekes veldig sterkt fra Høyre. Tiden og prosessen vil vise hvilke svar vi får, og hvilke resultat politireformen gir oss. Men jeg vil særlig peke på tre sider av utviklingen som gjør at vi bør være åpne for endringer. For det første, siden forrige politireform i år 2000 har samfunnet blitt endret, og kriminaliteten er endret som følge av det. Kriminaliteten er blitt mer mobil på disse 14 årene, kriminaliteten er blitt mer organisert på disse årene, og ikke minst – bare i løpet av de siste årene – har den i aller, aller høyeste grad også blitt digital i større grad. Det krever nye løsninger fordi gårsdagens svar ikke nødvendigvis er morgendagens Det andre forholdet jeg vil peke på som gjør at vi i Høyre er åpne for å se på positive, gode og balanserte endringer, er at også befolkningen er endret på disse 14 årene. Det ser vi ved bare å analysere fangepopulasjonen, de innsatte i norske fengsler. En tredjedel av innsatte i dag er utenlandske statsborgere, og – ikke bare det – nesten halvparten av dem som sitter i varetekt, er utenlandske statsborgere. Det i seg selv er et tydelig bilde på at befolkningen er endret siden forrige reform. Det tredje jeg vil peke på, er to rapporter som har skapt mye oppmerksomhet, og med god grunn. Den ene er Gjørv-kommisjonens rapport, og den andre er altså politianalysen, som danner grunnlaget og utgangspunktet for Begge rapportene dokumenterer at det er store svakheter i organiseringen av norsk politi, og at norsk politi ikke er organisert for å møte morgendagens kriminalitet. Det gjør det til et felles politisk ansvar å legge til rette for at vi gjør kloke grep i dag for å gjøre morgendagens samfunn enda tryggere. Jeg vil også si det sånn at det er et felles politisk ansvar at vi går igjennom denne prosessen politisk på en sånn måte at vi ikke ender opp med et status quo, at vi på tross av alle dokumenterte behov for endringer, gjør til slutt ingenting. Da mener jeg vi politisk har feilet i å legge forholdene til rette for morgendagens trygge lokalsamfunn. Jeg vil understreke nok en gang: Fasiten er ikke gitt fra noe parti, ikke fra Høyre og jeg har ikke hørt det fra noen andre partier heller. Denne prosessen må vi gå inn i med et åpent sinn og et felles ønske om å skape trygghet. Jeg merker meg med stor interesse og betydelig glede representanten Henriksens innlegg, som signaliserer nettopp en samarbeidslinje fra Arbeiderpartiet. Det ønsker Høyre i aller høyeste grad å bidra til og legge til rette for fra vår side også. Nærpoliti er viktig, økt lokal politikraft er viktig, mer kriminalitetsforebyggende arbeid lokalt er viktig. Det mener jeg definitivt at vi kan få til, og jeg tror det resultatet blir enda bedre dersom det politiske flertallet er størst mulig her på Stortinget – jeg håper også faktisk enstemmig. Det gjør at det er en politisk at det er en politisk tyngde bak dette, at dette ikke blir en politisk slagmark ved hver mulig valgkamp. Det taper tryggheten på.

For oss som kommer fra distriktskommuner, er dette bekymringsfullt, og det går ut over trygghetsfølelsen til innbyggerne. Sniknedlegging av lensmannskontor kan ikke vi som politikere i nasjonalforsamlingen godta. Stortinget fastsetter rammer for politietaten, og vi har også kontroll på hvordan de skal utvikle seg ved at loven fastsetter rammer for hvordan strukturendringer i

Jeg kan nevne kommunene Frøya, Holtålen og Rennebu som eksempler. Holtålen har vært forsøkt samlokalisert med Røros. Leieavtalen på lensmannskontoret ble sågar sagt opp, men etter kraftige protester fra lokalpolitikerne har de nå kontoret på plass, politiskiltet henger fortsatt på døra, og under der henger det et skilt med Men det er bare sjelden og en gledelig overraskelse at det er folk på kontoret når en banker på døra. Det mest vanlige er at det under åpningstidene henger en lapp hvor det står «Vi er ikke til stede i dag, ved behov ring Røros lensmannskontor». De betaler husleie, de betaler sine faste kostnader, men det finnes ikke ressurser igjen på lensmannskontoret. Ekstra frustrerende er dette når en har en klar formulering i politiloven om hvordan en skal gå fram dersom en velger å legge ned lensmannskontor. Lokaldemokratiet blir satt til side, og distriktskommunene blir utarmet for ressurser. Andre plasser har de valgt ikke å lyse ut nye stillinger ved lensmannskontoret. Med en slik holdning svekkes kontorets funksjon, og som representanten Klinge gjenga fra Politidirektoratets syn, er det ikke akseptabelt å utarme lensmannskontoret gjennom å flytte ressurser rundt i en slik grad at det ikke finnes bemanning på kontorene i det hele tatt, og de ikke klarer å fylle sine lovpålagte oppgaver. Det var ikke før flere ordførere fra Sør-Trøndelag måtte ta kontakt med departementet og politidistriktet fikk en klar beskjed om at mer enn seks måneders vakanse i stilling var uakseptabelt, og det måtte utlyses, at stillingen på Frøya f.eks. ble utlyst. På Frøya hadde vi en stor skogbrann her for ikke lenge siden, og lokalpolitikerne uttrykker at det var avgjørende for at det gikk så siden, og lokalpolitikerne uttrykker at det var avgjørende for at det gikk så bra, at det var lokale nødetater på plass, folk med lokalkunnskap, som visste hva de skulle ta tak i. Det var helt avgjørende for at det ikke gikk mye verre enn det gjorde. Et annet moment vi har vært inne på, er vakt- og Tidligere hadde vi lokale bakvakter, der ansatte ved kontorene hadde ansvar for å bemanne dem. Nå har de avtaler som dekker altfor store distrikt, og de har politi på hjul. Det medfører at mange innbyggere ikke har tilgang til hjelp fra politiet ved akutte behov. Selv om de sitter i politibiler, hjelper det lite hvis de er to timer

hvor de kan levere dem og når de kan levere dem. Sånn situasjonen er i dag, er det sivile som må gjøre politioppgaver. Vi hadde en situasjon i mitt distrikt der det var noen som truet med drap. En ringer politiet og de sier ja, vi er på plass om to og en halv time. Da er det ikke viktig at de er på hjul, men det er viktig at de er tilgjengelig.

Hvordan disse etatene skal organisere seg i framtida, er et stort og viktig samfunnsspørsmål, og det er et viktig politisk spørsmål som på fritt grunnlag bør debatteres og vedtas i regjering og storting. Derfor er det også forstemmende å se at politimestere rundt omkring i landet enten tar initiativ til såkalt samlokalisering eller til reell nedlegging av lensmannskontor lenge før regjering og storting har hatt muligheten til å drøfte politianalysen. politianalysen. Det er også uryddig at politimestere har brukt dette som et forhandlingskort og pressmiddel overfor kommuner uten at det skjer på en formelt korrekt måte og uten at en politisk har fått drøftet framtidig struktur i sin sammenheng. Det er uheldig, og dette vet vi skjer. Det har vært gitt flere eksempler på det her i dag, og jeg kan også godt flere eksempler på det her i dag, og jeg kan også godt tilføye eksempler fra mitt eget fylke: Det gjelder Verran, Meråker og Inderøy. Den samme holdningen har vi også sett hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som også har hatt ønske om å gå litt i forkant av det som er den politiske behandlingen av samfunns- og nødberedskap. Når det gjelder 110-sentralene, har vedtatt å avvente å ta stilling til dette i påvente av en beslutning om hvor mange politidistrikter det skal være. Noe annet ville også vært merkelig. Da kunne vi fått en situasjon der vi enten vedtok en struktur for 110-sentralene som ikke korrelerte med framtidas politi, eller en ville ha bundet opp organiseringen av framtidas politi før den var politisk drøftet i Stortinget. Det ville i sannhet hadde vært et «politisk spill», for å bruke statsrådens egne ord. Jeg er ikke i tvil om at det i denne salen kommer til å være ulike innfallsvinkler og ulike meninger om framtidas politi, brannvesen og nødsentraler. Det er realt nok. Men poenget med interpellasjonen er at det er partiene her i salen som skal avgjøre den strukturen, ikke et direktorat, ikke politimestrene. Det er vi som står til ansvar overfor våre velgere, og det er vi som bør

1995. Da var det også, som det er i dag, et mål om at en skulle ha et mer operativt politi, et mer synlig politi, og at det skulle være et effektivt politi. Så må en spørre seg om en virkelig oppnådde det på de ti første årene av den første politireformen? Evalueringen etter den reformen viste i alle fall et nokså blandet resultat. 70 pst. av de ansatte mente etter evalueringen i 2004–2005 at reformen har vært helt eller delvis mislykket. Både de ansatte og samarbeidspartnere mente at ressursbruken på forebyggende arbeid var redusert. Folk mente at politiet hadde blitt mindre synlig etter reformen enn det det var før reformen. Det skal bli interessant å ta med seg hele den historikken vi har når det gjelder Men det som opptar oss i dag, er muligheten til å kunne ha en fri og reell diskusjon i regjering og storting omkring dette, og gjerne også kunne se i sammenheng det en har av materiale etter 2011, både politianalysen, brannstudien og også om 110-sentralene. Jeg synes det er positivt at statsråden sier at han ønsker et solid fundament, og at han ønsker å komme tilbake med forslag til Stortinget. Jeg synes også det er positivt at det blir klargjort at en ikke skal kunne tømme et lensmannskontor for funksjoner i en slik grad at det utgjør en nedlegging. Senterpartiet ser fram til en reell og god debatt om innholdet når det gjelder framtidas struktur både for politiet og annen viktig

Justisministeren ville ikkje romantisere den «gammeldagse» lensmannen som var overalt alltid. Nei, det har sjølvsagt skjedd endringar både i samfunnet og i etaten, og ikkje minst i arbeidsmiljølova, som gjer at vi har fått ein annan type politi. Men det handlar om å ta vare på det som er bra, og endre det som må endrast. Eg meiner vi ikkje kan overvurdere verdien av og posisjonen til lensmannen. Med den tverrpolitiske målsettinga om å auke talet på polititenestemenn til to per tusen innbyggjarar innan 2020 er det ei moglegheit for både å styrkje nærpolitiet og oppretthalde mange lensmannskontor som ein kan byggje på vidare og gjere enda sterkare, og samtidig sikre ei god vakt- og patruljeteneste. I den politiske at det no, i påvente av det vi skal finne ut om korleis vi skal gjere politiet bra framover, ikkje blir lagt ned så mange lensmannskontor at vi mister moglegheita til faktisk å styrkje politiet i distrikta. Justisministeren sa sjølv at det er nødvendig med lokal tilknyting og kompetanse. Det seier seg kanskje sjølv, men det må seiast lell. Det handlar om barnevernet, skulane og helsetenesta og alle slike lokale aktørar som i eit godt samspel med politiet da har mykje større sjanse for å førebyggje problem. Det å ha ei lokal tilknyting krev faktisk at ein ikkje oppheld seg ti mil unna. Det gjeld både kontoret og også dei tilsette der. Det er klart at det er ingen som byggjer hus og satsar framtida si på ein plass om ein veit at det blir veldig lang reiseveg. Det er ein dimensjon ved det.

men det betinger at vi alle møter hverandre med åpenhet, og at vi alle har som mål at vi skal få et politi for fremtiden som faktisk er et politi som vi kan være enda stoltere av enn det vi er i dag. Så synes jeg representanten Greni hadde et veldig godt innlegg, som illustrerte problemet, nemlig at dagens struktur ikke fungerer optimalt. Når en må vente 2 ½ time på en politipatrulje når en blir truet på livet, Så synes jeg representanten Greni hadde et veldig godt innlegg, som illustrerte problemet, nemlig at dagens struktur ikke fungerer optimalt. Når en må vente 2 ½ time på en politipatrulje når en blir truet på livet, sier det noe om at strukturen i dag ikke fungerer tilfredsstillende. Det viser også viktigheten av at en har en ryddig tilnærming til hva slags polititjenester som folk faktisk tror de har i dag i forhold til hva de rent faktisk har. Det er også en forventningsavklaring som jeg tror vi skal være veldig tydelig på i den diskusjonen som nå kommer – være ærlig på hva slags tjenester vi i fremtiden. Så setter jeg pris på støtten til min beslutning om at 110-sentralene og restruktureringen av dem må avvente politianalysen. Jeg er helt enig med representanten Arnstad i at det ville vært en helt meningsløs situasjon hvis vi nå skulle få en stor omorganisering og restrukturering av 110-sentralene uten å ta hensyn til hvordan politistrukturen blir. blir. Vi har også en brannstudie som nå ligger til behandling i departementet, som også i større grad må ses i sammenheng med det arbeidet som gjøres med politianalysen. Det er også riktig at det ikke er politianalysen som er hovedtemaet i interpellasjonen. Jeg synes egentlig interpellanten oppsummerte dette ganske bra. Hun sa at vi skal ta vare på det som er bra – og det er viktig. Vi skal ikke ha en reform for reformens skyld. Kritikken mot den forrige politireformen var ganske sterk, som representanten Arnstad pekte på. Hvis den reformen hadde vært gjort bedre, er det ikke sikkert at vi hadde hatt den diskusjonen som vi har akkurat nå. Den forrige regjeringen har lagt et godt grunnlag for den jobben som nå skal gjøres fremover, gjennom at den satte ned politianalyseutvalget. Politianalyseutvalget har lagt frem er godt grunnlag for diskusjon, og så er det opp til oss å se om vi – så bredt som mulig politisk – kan finne de løsningene som vi mener treffer folk flest. Så vil jeg understreke – også fra denne talerstol – at selv om noen prøver å fremstille dette som en sentraliseringsreform,

Hvordan vil han sikre at barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, blir avhørt innen den lovbestemte fristen? Og vil han sikre en ny forskrift og nasjonale retningslinjer for barnehusene? gode oppvekstvilkår for barn og unge. Men dessverre vet vi så altfor godt at det ikke er sånn for alle som vokser opp i Norge. Mange barn og unge blir utsatt for vold og overgrep. Det er tøft å høre og lese om hver enkelt historie. Christoffer-saken er en historie som sitter dypt i oss alle, og vi som politikere plikter å gjøre mer for å unngå sånne hendelser. Før jeg går videre i interpellasjonen, vil jeg derfor understreke hvor viktig det er med det forebyggende arbeidet. Vi må og vi kan forebygge vold og overgrep mot barn bedre enn vi gjør i dag! Men la meg også starte med å understreke at det heldigvis er mye godt arbeid som gjøres i Norge, innenfor skolevesenet, helsetjenesten, barneverntjenesten og politiet. Ikke minst gjør Statens barnehus

nå. Dessverre er det en gjenganger hvert år på denne tida at når årsmeldingene fra barnehusene kommer, viser de at politiet bruker altfor lang tid før barn som har blitt utsatt for vold og overgrep eller har vært vitne til det, blir avhørt. Dagens regelverk krever at dommeravhøret av barnet skal foretas innen 14 dager etter anmeldelse. Dessverre er regelen i dag snarere at denne fristen brytes, enn at den holdes. Gjennomsnittlig ventetid er fem–seks ganger lengre enn fristen. Det er alvorlig, det svekker rettssikkerheten, og vi vet også at barn kan ta skade av det. Jeg hadde nettopp møte med en kvinne som ble utsatt for en voldtekt som sønnen var vitne til. Det tok tre måneder før kvinnen ble avhørt, og seks måneder før sønnen ble avhørt. I tillegg ble mora anbefalt å la være å snakke med sønnen sin om hendelsen, fordi det kunne påvirke forklaringa selv om vi vet at det er viktig for barna å kunne snakke om sånne typer hendelser for så å komme seg videre. Det var en forferdelig sak, der politiet ikke gjorde en god nok jobb. Men dette er bare ett av mange eksempler. Og sånn kan vi ikke ha det! Men akkurat det har vi sagt hvert år, og nå forventer jeg og Kristelig Folkeparti at den nye regjeringa handler. For disse fristbruddene er en av de største truslene mot barns rettsikkerhet i dag. Derfor har jeg satt opp fire områder jeg har forventninger på: Det første er bedre kapasitet og vesentlig kortere ventetider; det andre er at den nye forskriften kommer på plass; det tredje er at vi lager nasjonale retningslinjer for barnehusene, og det fjerde er at vi gjør de medisinske undersøkelsene obligatoriske. Jeg innledet med å snakke om ventetid, og jeg vil si litt mer om kapasitet. Siden etableringa av det første barnehuset i Bergen har barnehusene selv gjort et utrolig godt arbeid med å fasilitere dommeravhør og medisinske undersøkelser. Ved utgangen av 2012 ble halvparten av alle dommeravhør foretatt på barnehus. I den nye forskriften, som jeg skal komme mer tilbake til, er det foreslått at hovedregelen skal være at dommeravhørene skal foretas på et barnehus, men dersom hensynet til den som skal avhøres, tilsier det, kan avhøret foretas andre steder. er Kristelig Folkeparti enig i. For å styrke barns rettssikkerhet må vi utnytte og bygge videre på den kompetansen som barnehusene har opparbeidet seg. Men skal alle avhør av barn kunne tas på barnehus, må vi som politikere være villige til å sikre alle tilgang på barnehus og på lengre sikt vurdere om det trengs flere nye barnehus. Vi vet også at stadig flere anmelder overgrep, og barnehusene melder om en sterk Oslo har sagt 40 pst. økning, Stavanger melder om ca. det samme bare i år. Det betyr at det er viktig at bevilgningene til barnehusene økes. Så til forskriften: I 2010 satte den forrige regjeringa ned en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå regelverket vedrørende dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede. Arbeidsgruppa la i oktober 2012 fram sin rapport. En av anbefalingene fra arbeidsgruppa var bl.a. en ny forskrift for dommeravhør av særlig sårbare personer. arbeidsgruppa var bl.a. en ny forskrift for dommeravhør av særlig sårbare personer. Arbeidsgruppas rapport har vært på høring, men siden april 2013 har det stått stille, og barnehusene venter utålmodig på at den nye forskriften skal komme. Jeg håper derfor at justisministeren nå vil ta grep og innføre den nye forskriften om dommeravhør for særlig sårbare personer. Jeg har vært i kontakt med flere barnehus, og det jeg får tilbakemelding om, er at de ønsker at forskriften skal komme på Et viktig punkt som det blir foreslått endring i, er hvem som skal foreta dommeravhørene. I forskriften foreslås det at avhøret skal ledes av en avhører fra politiet som har gjennomført spesiell utdanning i dommeravhør ved Politihøgskolen. Noen har tatt til orde for at andre enn politiet kan foreta dommeravhør for å få ned ventetida for dommeravhørene. Det vil jeg advare sterkt mot, noe også bl.a. Statens barnehus i Oslo gjør. Det er helt sentralt at det er en politiavhører med kompetanse på avhør som foretar avhøret, for det er de som har kompetanse på hvordan et slikt avhør skal foregå. Avhøret har jo både en etterforskningsmessig og en bevismessig side. Avhør av barn gir spesielle utfordringer, og vi må derfor legge til rette for at de blir gjort på en så god måte som mulig for å ivareta rettssikkerheten til barna. Så til nasjonale retningslinjer: I dag er det ganske ulik praksis med tanke på hvordan barnehusene tas i bruk. Det er viktig at vi er tydelige på hva slags tilbud ungene skal ha krav på, og da må vi lære av dem som får til gode resultater. Et av forbildene er barnehuset i Tromsø. Der kom de i fjor ned i en ventetid på 22 dager fra anmeldelse til dommeravhør. Hva er det så som ligger bak de gode resultatene fra Troms? Det er et godt samarbeid mellom barnehus, etterforskning og påtale samt en politimester som mener at dette er viktig, og som etterspør resultater. I 2011 satte de ned et arbeidsutvalg som skulle se på hvordan de kunne få ned ventetidene. De fant ut Det var ikke nødvendig klarhet mellom etterforsker og påtalenivå i hvem som hadde ansvaret for at et dommeravhør ble gjennomført innen fristen. Etterforskning av saker om vold og overgrep mot barn ble ikke prioritert høyt nok. Det fantes ikke gode nok rutiner for registrering av saker og god nok koordinering av etterforskninga. I Troms politidistrikt har de derfor en ordning med dommeravhørskoordinator i 100 pst. stilling. Koordinatoren tar seg av praktisk tilrettelegging i alle dommeravhørssaker. Denne ordninga har spredd seg til flere politidistrikter, og Kristelig Folkeparti mener derfor at dette bør være obligatorisk i alle politidistrikt. Ordninga skal sikre at det ikke skal gå mer enn tre virkedager fra saken er registrert hos politiet, til dommeravhøret er berammet. Men: Dette er jo avhengig av at man har en ledelse Så til medisinsk undersøkelse: I hele åtte av ti dommeravhør får ikke barna tilbud om rettsmedisinsk undersøkelse. Hvorfor er det kritisk? Legeundersøkelsen avdekker medisinske funn som kan knyttes til den aktuelle saken – med andre ord kan bevis gå tapt. Undersøkelsen avdekker også ting som barnet ofte ikke husker eller ville fortelle om i et avhør, og undersøkelsen kan derfor føre til at vi får vite om et overgrep. I et debattinnlegg i Aftenposten 2. mars skrev Barneombudet, politimesteren i Tromsø og direktøren i Domstoladministrasjonen at politiet i Troms har fått flere avslag fra sykehuset når de har bedt om rettsmedisinske undersøkelser. skal også ha opplevd at det har vært umulig å få legeundersøkt barn til tross for mistanke om alvorlige seksuelle overgrep. Det er uholdbart! Hvis slike undersøkelser ikke finner sted, kan det i verste fall føre til at overgrepsutsatte barn ikke blir trodd og blir sendt tilbake til en potensiell overgriper. Flere barnehus sier også at de må betale for å få utført medisinske undersøkelser på barnehusene. Det burde vært unødvendig. I stedet burde man hatt helsepersonell fast på barnehusene og sikret at alle barn som forteller om slag eller vold, raskt må sikres medisinsk undersøkelse. Da må vi også sikre at det utdannes nok, slik at vi har kompetent personell. 10 minutter er for så vidt lang tid, men det er mange flere momenter jeg burde ha berørt. Men jeg utfordrer kollegene mine i salen her til å bidra i dugnaden for å styrke barn og unges rettssikkerhet, og jeg utfordrer statsråden på: Hvordan vil han sikre at barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, blir avhørt innen den lovbestemte fristen? Og vil han sikre en ny forskrift og nasjonale retningslinjer for

Jeg setter veldig pris på representantens engasjement, og at dette nå skal diskuteres ganske bredt i denne interpellasjonsdebatten. Vold og seksuelle overgrep er grov kriminalitet som kan ha alvorlige og langvarige konsekvenser for utsatte barn. Det er derfor viktig at både politi og hjelpeapparat bistår utsatte barn og deres omsorgspersoner på en god måte så raskt som mulig. Mange avhør av barn blir i dag gjennomført ved et av landets ti barnehus. Statens barnehus er etablert for å bedre ivaretakelsen av barn og unge under 16 år samt voksne med utviklingshemming som er mistenkt utsatt for vold og seksuelle overgrep. Saken må være anmeldt til politiet. Hovedmålsettingen med etableringen av barnehus er å styrke barnets rettssikkerhet. En evaluering av barnehusene i 2012 viser at modellen med barnehus fører til at barna blir bedre ivaretatt og opplever større grad av trygghet i en veldig vanskelig situasjon. Barna har dermed bedre forutsetninger for å fortelle om sine opplevelser under dommeravhøret. Trass i gode erfaringer med barnehus er ventetiden for å få gjennomført dommeravhør i mange tilfeller altfor lang. Etter straffeprosessloven § 239 og dommeravhørsforskriften § 4 skal barn avhøres senest to uker etter at forholdet er anmeldt. I praksis brytes denne fristen ofte. For alle barnehusene sett under ett var gjennomsnittlig ventetid fra anmeldelse til avhør 51 dager i 2013, ventetiden for seksuelle overgrepssaker var 42 dager og for voldssaker 60 dager. Barnas mulighet og evne til å huske samt behovet for å bli ferdig med saken taler for at avhørene bør gjennomføres raskt. Jeg har lyst til å legge til at for voksne folk i et hektisk arbeidsliv er det ikke sikkert at 40–50 dager er så lang tid, men for et lite barn er 40–50 dager utrolig lenge. Det kan være flere årsaker til at ventetiden for dommeravhør er lang. Kapasiteten i politiet er en sentral faktor. Antall anmeldte familievoldssaker har også økt ganske kraftig de siste årene. Samtidig er antallet avhørere muligens for lavt, og de som kan gjennomføre avhør, blir ofte Det er videre en utfordring å beramme avhør som involverer mange aktører. Det at saker om overgrep mot barn oppleves som å være veldig krevende for etterforskerne, bidrar også til at veldig få arbeider med slike saker over tid. Manglende kontinuitet og stor gjennomtrekk preger dessverre situasjonen i mange politidistrikt. Kompleksiteten i saker om overgrep bidrar også til at saksbehandlingstiden blir for lang. Forskrift om dommeravhør og observasjon regulerer hvordan barn, psykisk utviklingshemmede og andre særlig sårbare personer som er fornærmet eller vitne i en straffesak, skal avhøres. Dommeravhør er en form for bevisopptak til bruk i hovedforhandlingene, slik at barn slipper å vitne direkte i retten. Avhørene er samtidig en del av etterforskningen. Avhørene utføres av en politietterforsker under ledelse av en dommer. Det ble i sin tid i 2010 oppnevnt en arbeidsgruppe av Justis- og beredskapsdepartementet som fikk som mandat å utrede og foreslå endringer i regelverket for avhør av barn, psykisk utviklingshemmede og andre særlig sårbare personer, det såkalte Sæverud-utvalget. Arbeidsgruppen skulle bl.a. se på dommerens medvirkning og rolle i avhørene, siktedes rettigheter og forholdet til EMK, og legge grunnleggende vekt på hva som ville være til barnets beste i sine vurderinger. Formålet var å få til et klart nasjonalt regelverk som legger til rette for gode avhør og en praktisk og tidlig gjennomføring av avhørene. Rapporten ble overlevert departementet 16. oktober 2012. Utvalget foreslo endringer i straffeprosessloven, vergemålsloven og påtaleinstruksen og en helt ny forskrift om avhør. Det ble bl.a. foreslått at politiet skulle gis ansvar for avhørene, slik at det ble færre aktører og enklere å beramme avhør raskt. Utvalget foreslo videre at bruken av barnehusene som hovedsak gjøres obligatorisk, og at aldersgrensen for å omfattes av ordningen reduseres fra 16 år til 15 år. Utvalget vil sidestille familievoldssaker og sedelighetssaker i ny avhørsmodell og foreslår at retten til å få oppnevnt bistandsadvokat utvides. I rapporten foreslås også flere endringer for å tydeliggjøre regelverket og forenkle gjennomføringen av avhørene. Sæverud-rapporten ble sendt på høring med høringsfrist 16. april 2013. Departementet mottok 46 høringsuttalelser med merknader, flere av disse var kritiske til forslagene i rapporten. Det ble særlig pekt på at arbeidsgruppen ikke hadde drøftet en del grunnleggende juridiske problemstillinger grundig nok. Innvendingene gjaldt i hovedsak at forslagene ikke i tilstrekkelig grad var vurdert opp mot barnets beste og internasjonal rett på området. Det ble også pekt på at situasjonen for psykisk utviklingshemmede heller ikke var grundig nok vurdert. Enkelte påpekte også at avhørsmodellen som arbeidsgruppen foreslo, kan være problematisk når det gjelder siktedes rettigheter etter EMK. Departementet følger nå opp – og har kanskje gjort det i for lang tid – innspillene fra høringen og vurderer om ytterligere informasjon må hentes inn. Det er et arbeid som er Jeg ser ikke bort fra at det arbeidet kan resultere i forslag som avviker såpass fra forslagene i rapporten at det bør gjennomføres ny høring. Jeg vil i så fall komme tilbake til Stortinget med dette i egnet form så raskt som mulig. Parallelt med oppfølgingen av Sæverud-rapporten er det nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å utarbeide felles retningslinjer for den fremtidige driften av barnehusene og foreta en vurdering av tilsynsbehovet. Det skjer for å sikre en helhetlig og enhetlig praksis og behandling i barnehusene. Arbeidsgruppen skal ha ferdigstilt sitt arbeid i løpet av våren 2014. Jeg vil imidlertid understreke at en ny dommeravhørsforskrift og felles retningslinjer for Statens barnehus ikke alene vil løse problemene med lang ventetid. En av hovedutfordringene er, som nevnt, kapasitetsutfordringer i politiet. En rekke tiltak er allerede iverksatt, og vi vurderer fortløpende ytterligere tiltak. Jeg har bl.a. bedt om å få en total oversikt over hvor mange i politiet som har denne etterforskningskompetansen. Utdanningskapasiteten er jo økt vesentlig, fra 18 til 48, som betyr at det utdannes flere innenfor denne gruppen. Samtidig vet vi at vi har en slags reserve i en del polititjenestemenn og -kvinner som har kompetansen, men som utfører annen type arbeid. Jeg tror det er viktig at vi nå gjør et slags dugnadsarbeid for å klare å få ventetiden ned på et akseptabelt nivå, og så vil løsningene på noe lengre sikt være viktig for å holde fristene i større grad enn i dag. For å få en reell styrking av dommeravhørskapasiteten i politiet sørger vi for god kapasitet på utdanningen. Politimesterne må også sørge for at kursplassene ved Politihøgskolen fylles opp. Enhetene i politiet som har disse sakene, må styrkes og gjøres mer robuste, slik at anmeldelser kan tas så fort som mulig. Politidistriktene er på oppdrag fra Politidirektoratet i gang med å etablere flere overgrepsteam lokalt. Dette vil styrke prioriteringen av arbeidet i denne typen saker. Enkelte politidistrikt har allerede gjennomført tiltak som peker i riktig retning, f.eks. har Oslo politidistrikt i samarbeid med Oslo tingrett iverksatt nye rutiner for beramming av dommeravhør. De nye rutinene innebærer at det er de som er påtalemessig og etterforskningsmessig ansvarlig for en sak, som også forestår beramming, koordinering og kvalitetsmessig oppfølging av etterforskning i saken. Det er dessuten opprettet et eget berammingskontor for dommeravhør i familievoldssaker ved Stovner politistasjon. Oslo tingrett har også lagt om rutinene, ved at det er laget en ny plan for denne typen saker. Et mer fast opplegg ved utpeking av dommere kan redusere tidsbruken. Oslo politidistrikt har også tatt i bruk lønnsmidlene, B-tabell, for å motivere polititjenestemenn og -kvinner til å stå lenger i arbeidet med denne typen saker. Erfaringene med tiltakene hittil synes lovende. Ventetiden ved Oslo politidistrikt har gått betydelig ned. Det kan være grunn til å se på om både Oslo og andre steder, hvor det er gjort en rekke tiltak, kan danne mønster for resten av landet. Avslutningsvis vil jeg understreke at til tross for de vanskelighetene og utfordringene man støter på i arbeidet mot overgrep og vold mot barn, gjør barnehusene en betydelig, positiv innsats for nettopp disse sårbare barna. Dette gjelder ikke bare i forbindelse med dommeravhørene, men også med hensyn til oppfølging av barna og støtte og bistand til deres pårørende. Dette positive arbeidet skal vi fortsette med. Jeg har også lyst til å presisere at det har vært en viktig

sikres. Jeg hadde senest i går et møte med helse- og omsorgsministeren om akkurat denne problemstillingen for å sikre at vi kan finne en modell som i fremtiden gjør at denne kompetansen er sikret til bruk ved barnehusene. Det handler om ressursbruk, men det handler også om kompetanseheving og kompetanseutvikling, for det er en helt spesiell form for legekompetanse du må ha når du skal gjennomføre de undersøkelsene som gjøres her.

fokuset på det tverrfaglige, som justisministeren og regjeringa skal ha ros for at de har tatt opp ved flere anledninger. Justisministeren var inne på i avslutninga at når det gjelder f.eks. medisinske undersøkelser, er nettopp det å klare å sikre nok kompetanse, nok personer som kan foreta de medisinske undersøkelsene, helt avgjørende, og da må en jobbe på helseområdet. Det synes jeg også er et viktig poeng. I tilknytning til det vil jeg bare stille et spørsmål. Det kan virke som om barn eller den Det kan virke som om barn eller den typen saker ikke er høyt nok prioritert eller spennende nok å jobbe med. Hvis en ser på prioritet innen helse, i politiet og sikkert i andre sektorer, kan det i alle fall virke som at det ikke er det som blir prioritert høyest – eller det en velger høyest oppe. Jeg ønsker også å knytte noen

kommuner. Der tror jeg barnevernet har en viktig jobb å gjøre. De sa om den ene kommunen at barnevernet tok kontakt med én gang det var mistanke om vold, om slag, og så tok en saken videre og anmeldte. Så til mine fire viktige punkter. Når det gjelder ventetid, mener jeg den jobben vi gjør på politiområdet, er avgjørende. Jeg er glad for signalene fra justisministeren. Det arbeidet som gjøres i Oslo og i andre politidistrikter, og også av koordinator i Troms, som jeg var inne på, viser bare noe av det som kan gjøres. Men som det ble understreket veldig tydelig: Så er jeg også glad for det justisministeren sa om forskriften. For så vidt imøteser jeg endringer i den, men jeg tror også det er viktig at en kan få gjort noen av de grepene som er varslet. Blant annet mener vi at det å ta ut dommerne vil være helt kurant. Avhørene kan ledes av en politiavhører med spesiell kompetanse, og så brukes det som et bevis i retten senere. Sånn unngår vi kanskje å bruke tid på å få inn dommerne i avhørene. Når det gjelder retningslinjene, skjønner jeg jo at arbeidet er på gang, og at det også kan komme. Jeg tror at det at vi kan jobbe tverrpolitisk og tverrfaglig med det, kan være med på å sette det riktige fokuset som det trenger, for forhåpentligvis å få på plass endringene som vi trenger. Ja, engasjementet er Ja, engasjementet er sterkt, og jeg mener det er for en gruppe mennesker som er de svakeste av de svake. Den situasjonen de opplever i dag, er rett og slett ikke akseptabel. Det er et politisk ansvar å bidra til at den situasjonen blir akseptabel når det gjelder bruken av barnehus. Så er det selvfølgelig viktig at vi også jobber bredt i andre spor, ikke minst med tanke på forebygging og holdningsskapende virksomhet. Det å sikre at barnevernet er aktivt, at skolene følger nøye med, er aktive og bruker den muligheten de har for å bidra inn i denne typen settinger, er helt avgjørende for de barna som utsettes for dette. Da er det også vår plikt som samfunn å sørge for at når de skrittene blir tatt, når samfunnet blir klar over dette, skal vi virkelig være på tilbudssiden for å sikre barnas interesser, også i en vanskelig Jeg har lyst til å berøre lite grann det interpellanten var inne på knyttet til barn og prioritet. Jeg er ikke helt sikker på om det som kan fremstå som en nedprioritering – kanskje innenfor helse og kanskje innenfor politi – faktisk er det. Jeg har tvert imot inntrykk av at dette prioriteres veldig høyt. Men samtidig er dette noen av de vanskeligste sakene du som menneske – som politi, som lege – kan jobbe med. Dette er det utrolig belastende å arbeide med over tid. Jeg må si jeg er imponert over alle de som jobber hardt med dette over lang tid, ikke minst innenfor barnehussystemene, med de belastningene og påkjenningene det gir. Hvis en skal følge politisporet, er jo litt av utfordringen at mange av dem som har denne avhørskompetansen som barnehuset er avhengig av, brukes til en del andre oppgaver i politiet, fordi de er attraktive, og fordi de har bedre kompetanse, men også fordi jeg tror slitasjen i den typen arbeid er ganske stor. Så er jeg, som også interpellanten var inne på, veldig overbevist om at lederfokus er helt sentralt, helt uavhengig av hvorvidt det er en slitasje eller ikke. Jeg tror at slitasjen på alle blir mindre hvis en har et lederfokus, og en kjenner på at blir mindre hvis en har et lederfokus, og en kjenner på at en har støtte fra ledelsen, at en får den oppbyggingen, den etterutdanningen og ikke minst den debrifingen og oppfølgingen som en trenger når en arbeider med sånne krevende saker. Det er et helt klart lederansvar for hver eneste politimester å sikre På kort sikt vil jeg forsøke å sikre at vi kan få en slags dugnad, som gjør at vi så raskt som mulig kan få ned ventetiden og deretter klarer å holde ventetiden på et mer akseptabelt nivå enn det den er i dag. Vi skal også sikre at vi får et bedre statistikkgrunnlag. I dag skilles det ikke på hva slags type avhør som gjennomføres ved barnehusene – om det er et offer, eller om det er et vitne. Det har også en viss betydning når det gjelder gjennomføringen av avhørene. Det skal komme på plass så snart som mulig.

Når det gjeld nasjonale retningslinjer for barnehusa, er eg heilt einig i at det er veldig viktig å få dei på plass. Det arbeidsutvalet som Stoltenberg II-regjeringa sette ned som ei direkte oppfølging av stortingsmeldinga om vald i nære relasjonar, kjem no om ikkje lenge – det var greitt å få konkretisert frå justisministeren at det blir våren 2014. Men nasjonale retningslinjer i seg sjølv vil jo ikkje betre situasjonen når det gjeld ventetid Men det som må vere det viktige målet med dei retningslinjene, er at ein får eit likt tilbod til alle ungane som brukar barnehusa. Det er veldig viktig. Representanten viser til bl.a. barnehuset i Tromsø. Eg har vore der og besøkt dei, eg har besøkt barnehuset i Sandefjord, og det er ingen tvil om at me treng større grad av likskap, og at det er for store variasjonar. Så takkar eg ja til invitasjonen frå Kristeleg Folkeparti om å vere med på dugnad. Arbeidarpartiet har eit eige utval mot vald i nære relasjonar, som eg leiar. Me har fremja eit representantforslag i Stortinget om å styrkje barnehusa, som no er til behandling i justiskomiteen. Me føreslår fleire tiltak, bl.a. at barnehusa bør vere obligatoriske for alle ungar under 18 år, og at ein må styrkje kapasiteten. Me seier òg at ein bør sjå på moglegheita for om andre yrkesgrupper med f.eks. barnefagleg kompetanse kan utdannast som dommaravhøyrarar, som eit ledd i å få ned ventetidene. Det høyrer eg representanten Ropstad seie han er skeptisk til. Eg inviterer han likevel til å vere med og diskutere det når me skal ha saka opp i Stortinget. Det er uansett ei utfordring i dag at det er mangel på dommaravhøyrarar. Eg har òg fått tilbakemelding om at det er ikkje akkurat kø i politiet heller, for å ta det utdanningskurset. Og eg trur at det justisministeren seier med omsyn til dei krevjande oppgåvene, og kva som ligg i det, sjølvsagt er eit viktig perspektiv i saka. Eit viktig mål òg for Stoltenberg II-regjeringa var å få ned ventetidene på barnehusa. Derfor blei det òg satsa sterkt på utdanning av fleire polititjenestemenn og -kvinner, som er dei som i dag utfører dommeravhøyra. To nye barnehus blei etablerte, men tras i dette ser me at ventetidene framleis er for lange. Det er slik i dag at det er opp til den enkelte dommaren å avgjere kvar eit barn skal bli Det medfører at ein del barn ikkje får avhøyr på barnehusa. I Barnehusevalueringa, som blei overlevert Justis- og beredskapsdepartementet hausten 2012, framgår det at 69 pst. av alle dommaravhøyra som blei gjennomførte i 2011, blei gjorde på barnehus. Me meiner at alle burde bli gjorde på barnehus, og det er bakgrunnen for forslaget vårt. Barneombodet gjev tydeleg uttrykk for at det er stor mangel på sosialpediatrisk kompetanse ved sjukehus og barnehus. For å gje den beste medisinske undersøkinga av barn som ein mistenkjer for å vere – eller som har vore – utsette for seksuelle overgrep, er denne spesialkompetansen avgjerande. Derfor meiner me at dei sosialpediatriske miljøa må styrkast, og me ønskjer at regjeringa ser på korleis ein kan få tak i nok medisinsk kompetanse for å undersøkje barn som har vore utsette for overgrep. Her er, som representanten Ropstad seier, tid avgjerande. Så meiner me at det er behov for meir, betre og breiare kunnskap og oversikt om vald og overgrep som rammar barn og unge. Derfor prioriterte Stoltenberg II-regjeringa gjennomføring av ei omfangsundersøking i vårt budsjett for 2014. Regjeringa fjerna dessverre midlane til dette tiltaket, sjølv om behovet blei slått fast av ein samrøystes justiskomité under behandlinga i mai 2013 Me meiner framleis at det er viktig med kunnskap om og synleggjering av valden, og at det er nødvendig med denne kunnskapen og denne statistikken for å setje i verk rett tiltak. Derfor har me foreslått dette igjen, og me inviterer Kristeleg Folkeparti og òg andre parti til å røyste for det forslaget.

rundt om i landet, i dei ulike kommunane, er forskjell. Eg har faktisk møtt ordførarar som ikkje trur at det bur nokre barn i deira kommune som blir utsette for vald og overgrep. Derfor håpar eg – og ønskjer eg – at alle kommunar i landet innfører lokale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar for nettopp å styrkje det førebyggjande arbeidet, som interpellanten var inne på. Takk til representanten Ropstad som tar opp denne viktige interpellasjonen, og til ministeren for svaret. Jeg er

opplever ofte at hjelpen uteblir, kommer for sent eller må hentes fra flere ulike aktører. For å sikre disse barna et bedre hjelpe- og behandlingstilbud har den norske regjeringen fått på plass en landsdekkende ordning med barnehus. I barnehusene skjer avhør, undersøkelser og behandling på samme sted. Det er etter hvert også blitt etablert en god kompetanse hos dem som foretar disse avhørene, som er viktig for å sikre en god prosess når sakene skal behandles i rettssystemet. Opprettelsen av barnehus bunner i en mangeårig bekymring blant profesjonelle og andre for at barn som utsettes for vold og overgrep, har møtt et fragmentert og uoversiktlig tjenesteapparat, og at det i dette har ligget en risiko for at barna og familiene deres påføres ekstrabelastninger i en i utgangspunktet vanskelig situasjon. Tanken bak barnehusene er at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, skal sikres et godt og helhetlig hjelpe- og behandlingstilbud samlokalisert på ett sted. Derfor er barnehusene utstyrt for dommeravhør, medisinsk undersøkelse og samtale og terapi. Barnehusene har tatt i bruk nye metoder for avhør og medisinsk undersøkelse som er mindre belastende for barna. Et tverrfaglig sammensatt personale bidrar til at barnet slipper å bli fraktet rundt fra den ene instansen til den andre for å fortelle sin historie om og om igjen. Tidligere i år deltok jeg på en konferanse i regi av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, hvor vold i nære I forbindelse med dette seminaret ble det også lagt fram en rapport som viser at omfanget av vold og overgrep i nære relasjoner dessverre ikke har gått ned – dette til tross for at det har vært stor politisk oppmerksomhet for å øke avdekkingen av vold og overgrep mot barn. Men det har vært en betydelig økning i antallet avhør av barn de siste årene. Som eksempel kan nevnes Oslo politidistrikt, der det i 2009 ble gjennomført 94 avhør, mens det i 2011 ble gjennomført 208 dommeravhør. I tillegg ble det gjennomført 16 politiavhør på barnehuset. Bak disse tallene vet vi at det ligger mange sårbare sjeler – barn som trenger all den hjelp og støtte de kan få for å komme gjennom det de har opplevd. Jeg vil bruke Paal-André Grinderuds omtale av disse små barna fra et tv-intervju i går som små prinser og prinsesser. Gjennom de årene som har gått, har det vært ulik praksis i bruken av barnehusene. Rapporten fra arbeidsgruppen, som ble ledet av nåværende politimester i Troms, Ole Bredrup Sæverud, ble overlevert Justisdepartementet i oktober 2012. Dette er en meget omfattende rapport, hvor flere elementer gjennomgås. Gjennom denne rapporten har en sett på dommerens medvirkning og rolle, oppnevning av forsvarer og varsling av siktede, observasjonsordningen, frist for gjennomføring av avhør, likestilling av sedelighetssaker og andre saker om overgrep mot barn og psykisk utviklingshemmede, hvem som skal få være til stede under avhørene, hvor avhørene skal foretas, bruk av fjernmøteteknologi og utskrift av avhøret. Rapporten med de nye forskriftene har vært ute på høring og hadde, som vi har hørt tidligere i dag, høringsfrist i april i fjor. de nye forskriftene, og at vi dermed oppnår intensjonen med Statens Barnehus – og ikke minst foretar nødvendige avklaringer som sikrer at avhørene gjennomføres innenfor fristtiden gitt gjennom lov. For Høyre er det et viktig prinsipp at politiavhør gjennomføres av spesialutdannede politietterforskere, og jeg mener derfor det er naturlig at ansvaret for Statens Barnehus ligger hos politiet også i framtiden. Jeg ser fram til at saken kommer til behandling i Stortinget, og ser fram til at saken kommer til behandling i Stortinget, og at vi får på plass de nye, nasjonale forskriftene. La meg først få gi ros til interpellanten for å sette en viktig sak på dagsordenen og

kunne vi lese følgende i Dagsavisen, etter at media kunne opplyse at man var langt unna å holde fristen for avhør av barn: «Justisminister Grete Faremo svikter barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.» Det sa barneombud Anne Lindboe. Hun krevde at Grete Faremo skulle snu seg rundt og innføre strakstiltak. Men det var heller ikke da en ny situasjon. Et halvt år før denne uttalelsen av barneombudet hadde media igjen oppslag om situasjonen. Da sa daværende justisminister Grete Faremo:

når det gjelder avhør i denne type saker hvor barn er involvert. Avhørseksperter sier at troverdigheten i barnets forklaring påvirkes dersom de prater med andre før avhør er gjennomført. Dagens system medfører at dypt traumatiserte barn i ytterste konsekvens må gå flere måneder før de kan prate med noen om et overgrep. Barnevernets jobb blir også vanskeliggjort i en avgjørende fase. Slik kan vi rett og slett ikke ha det. Jeg er imponert over at justisministeren nå viser handlekraft og vil gjøre noe med problemstillingen. Men samtidig – det skulle bare mangle! Dette er ingen ny problemstilling, som jeg sa innledningsvis. Det er dessverre regelen og ikke unntaket at fristen på 14 dager ikke overholdes. I fjor – i 2013 – ventet voldsutsatte barn i gjennomsnitt 106 dager i Hamar, 90 dager i Oslo, 78 dager i Nord-Trøndelag, 59 dager i Stavanger og 52 dager i Bergen. At et overgrepsutsatt barn må vente i inntil 106 dager før det kan få begynt å bearbeide traumatiseringen på en skikkelig måte, er rett og slett uakseptabelt. Det er derfor meget positivt at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har varslet strakstiltak på området, bl.a. gjennom å øke saksbehandlingskapasiteten og få på plass kompetente og kvalifiserte Vi må heller ikke glemme at barnehusene er en del av hele rettssystemet. Jeg forutsetter at disse viktige problemstillingene også vurderes i forbindelse med regjeringens varslede og omfattende politireform. En undersøkelse gjort i Tromsø i 2010 viste at det i hovedsak er politiets tidsbruk som er problemet. Det er dessverre slik at det er barnehusenes generelle erfaring at det er politiets kapasitet og prioriteringer som er årsaken til tidsbruken, og svært Da må vi sende et sterkt signal til politiet om at overgrepssaker mot barn skal prioriteres høyt. Avslutningsvis har jeg igjen lyst til å rose Kristelig Folkeparti for å bidra til å løfte en ekstremt viktig problemstilling, og jeg er meget godt fornøyd med det grundige og gode svaret fra Vold mot barn er et av de alvorligste problemene vi har i dag, og et problem som trenger styrket innsats og samarbeid på tvers av sektorene. Da det ble gjennomført en voldsmåling i 2012, kom det fram at i løpet av den uken målingene foregikk, var det over 900 barn som ble utsatt for vold. Jens Grøgaard, tidligere klinikksjef ved barneavdelingen ved Ullevål sykehus, gjorde et estimat i samarbeid med Rettsmedisinsk institutt for noen år siden. De anslo at mellom fem og ti barn dør hvert år av påførte skader. I to til fem av tilfellene er skadene påført av omsorgspersoner. Disse tallene sjokkerer oss alle, og viser at det er viktig at vi handler raskt for å gjøre noe for disse barna. Derfor er jeg glad for at representanten Ropstad løfter denne debatten, og jeg er også veldig glad for de signalene som justisministeren har kommet med. Jeg er glad for de forslagene som er pekt på her, som kan forbedre utsatte barns situasjon betraktelig. Å få på plass forskriften om dommeravhør av særlig sårbare personer er ett viktig steg for å sikre at disse barna får den hjelpen de har behov for. Lang ventetid på avhør er ikke bare uheldig for framgangen i saken og for å samle bevis. Lang ventetid er svært uheldig og forhindrer også disse barna fra å kunne fortelle sin historie tidlig for å få muligheten til å gå videre og komme raskt i gang med den hjelpen de trenger.

Det samme gjelder for helsevesenet. Det er viktig at leger og sykepleiere ser forskjellen på blåmerker som kommer fra fall i trappa, og blåmerker som kan komme av slag og vold. Samtidig er det viktig at helsepersonell og andre som møter disse barna, er trygge på å kunne snakke om vold med både barn og foreldre, slik at de raskt kan få Samtidig er det helt essensielt at barnevernet har nok ressurser til å ta tak i sakene på et tidlig tidspunkt, slik at vold og utfordringer i hjemmet ikke skal få utviklet seg og holde på over lang tid, slik vi dessverre ser er tilfellet i mange saker. Av sakene som kommer til barnehusene, er svært mange allerede en barnevernssak. I dag er barnevernet mange steder preget av ressursmangel. Saker kan derfor bli liggende lenge. Barnevernets oppgave er jo å beskytte barn mot vold og overgrep, og da må vi som politikere sørge for at de har det de trenger for å kunne utføre oppgaven sin og gi hjelp til alle barn som trenger det. Opprettelsen av barnehusene har vært et viktig steg mot å kunne gi barn rettssikkerhet og tilrettelegge for at en rettsprosess kan gjøres mer på barns premisser. Barnehusene har høy kompetanse på vold og overgrep mot barn og gjør en veldig viktig jobb i avdekking, men også oppfølging av barn og familier. Det er viktig at denne kompetansen deles med andre instanser som kan komme i kontakt med barn og familier som er utsatt for vold. Vi trenger fagfolk i barnevern, skole og helsevesen som vet hva de skal se etter, og som er trygge i håndteringen av situasjonen. Her tror jeg at barnehusene har mye kunnskap som kan deles, noe jeg vet blir gjort allerede mange steder i dag. For å stoppe vold mot barn må vi løfte sammen og samarbeide – både vi politikere på ulike fagfelt, og de som jobber med dette ute i felten. Jeg er veldig fornøyd når jeg hører at alle partiene og alle representantene har en felles oppfatning og forståelse av både emnet, problemet og utfordringene. SV i regjering, ved Inga Marte Thorkildsen, lanserte strategier for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og Det vi snakker om her i dag, er en del av det, det er et videregående arbeid med det. Selv om det stunder mot kveld, er stortingsbygningen lyst opp av sola. For mange av disse vi snakker om, er det natt og domsslutningene og begrunnelsene for domsslutningene i kriminalsaker. Veldig ofte ser vi at det er overgrep og vold i barnealder som er årsaken til mye av den kriminaliteten vi har i dag. Mange mennesker drar med seg store problemene store deler av livet, ja, mange ganger til enden av livet, så omfattende er de problemene vi snakker om. Det er veldig alvorlig. Jeg synes det er veldig bra at Kristelig Folkeparti ved representanten Ropstad har tatt opp dette og fått kastet ekstra lys over det. Det er veldig bra at vi blir klar over posisjonene til partiene her. Det er også en trygghet for dem det gjelder. De som er vinnerne av de ekstra tiltakene vi snakker om, er jo nettopp barna og de unge. Med økt trygghet

Det vil være den beste løsningen for dem som er berørt. Vi mener også at vi trenger mer midler til opplæring for disse fagpersonene med politifaglig bakgrunn. Vi mener også at det er nødvendig med flere midler til en omfangsundersøkelse. Vi er klar over at det er mange mørketall. Nå er det et faktum at dagens regjering, med sitt flertall, hadde en annen prioritering under siste statsbudsjett. I likhet med flere av de andre talerne har også vi i vårt parti, SV, dratt rundt og snakket med folk på barnehusene, med de fagfolkene som er der, og alle sammen sier det samme, de venter bare på at forskriften skal komme på plass. Det er viktig, og vi synes at det haster. haster. Jeg blir litt bekymret oppe i dette, som vi er veldig enige om, når justisministeren åpner for kanskje å gå en runde til. Vi fikk ikke høre begrunnelsen for det, bare antydninger, men for dem det gjelder, håper jeg at ikke justisministeren «korver» for lenge, for å si det på nordnorsk, og at en bør få litt fortgang i dette. For det er absolutt på sin plass at vi ikke venter for lenge. Det er snakk om å justere den redskapen vi har. Det er til beste for barn og ungdom, og det er viktig for utviklingen for dem og samfunnet. Jeg kan noen unger jeg møtte på akuttmottak i Stavanger for mange år tilbake. Jeg kan se noen tegninger som de tegnet. En av dem så ut som et gitter med ruter i og noen svære hoder. Jeg spurte: Er du i fengsel? Svaret var: Nei, men det er sånn jeg opplever å komme Det var nesten som et fengsel, for vi voksne ble så store. Barnehusene skal drive med dommeravhør, skal gjøre medisinske undersøkelser, skal gi råd og veiledning og skal ha en utadrettet virksomhet, står det på hjemmesiden til barnehusene, som vi har fått lære på besøk hos dem. Ministeren sa at det er en påkjenning å jobbe med unger som har hatt så sterke opplevelser, også for voksne, og det er stor gjennomtrekk, for det gjør så usigelig inntrykk. Da trengs det veiledning. Da trengs debriefing, da trengs oppfølging av dem som jobber der, slik at vi ikke får den gjennomtrekken som er. For jeg er sikker på at de som jobber på slike hus, har den samme opplevelsen som jeg, at ting kommer i retur. Vi trenger å bearbeide for å øke kunnskap og få god erfaring. Men de som har de største påkjenningene, er ikke de voksne. Det er ungene. Da trenger vi å ha kunnskap, og det var den fjerde tingen barnehusene skulle gjøre. De skulle drive veiledning og utadrettet virksomhet – dele av sin kunnskap til helsesøster, som ikke bare får kunnskap, men gjør noe med det,

Så er det ikke bare slik at vi trenger kunnskap for å se. Vi trenger også kunnskap når dommen er ferdig, de første undersøkelsene er ferdige, og barnehuset har gjort sin jobb. Da skal disse ungene tilbake igjen til en kommune, og da trengs kunnskap for å fylle opp dette. De bærer med seg en ufattelig stor ryggsekk, det kan ta år å rette det opp igjen, og vi må være der for dem, for de har egentlig tapt alt. Det krever kunnskap, ikke Det fortjener ungene våre. Derfor er jeg veldig glad for det som ministeren sier, at det skal bli ikke bare ord og handlingsplaner, men handling. Men det betyr også at vi må tenke etter at barnehuset har gjort sin jobb. Ungene skal følges opp etterpå, de skal vokse, de skal leve med erfaringene hele livet, og de skal skape en tillit og få en trygghet til voksne på nytt. nytt. Det trenger de både å lære og å kjenne. Da må alle etater som møter ungene, på forhånd og etterpå, jobbe sammen. Jeg vil takke synes det har vært viktig, og mange gode poenger har kommet fram. Jeg vil takke representanten Lene Vågslid også for et godt innlegg. Det ble nevnt at det ligger et Dokument 8-forslag, representantforslag, i komiteen, så de gode innspillene som er kommet nå, og den gode debatten vi har hatt, blir også tatt videre. Da er det fullt mulig å fortsette dugnaden med konkrete forslag, så jeg ser fram til det arbeidet som komiteen skal ha. Jeg vil for så vidt også nyansere debatten litt. Den forrige regjeringa har gjort noe – jeg skal ikke underslå det – bl.a. opprettet mange nye barnehus, og representanten Johnny Ingebrigtsens innlegg fikk meg til å tenke på Marte Thorkildsen, som har hatt og har et stort engasjement på dette feltet. Det er bra at det er så tverrpolitisk, men som jeg var inne på i mitt innlegg, har hovedkritikken vår vært at vi har sett at ventetidene har vært lange år etter år. Vi vet at det kommer en økning, og det å få ned ventetida blir helt avgjørende. Der har vi store forventninger. Jeg vil også takke for innlegget fra representanten Margunn Ebbesen. Hun har en viktig påminnelse, at hovedformålet, eller noe av det viktige med barnehusene, er nettopp at ungene slipper å bli fraktet rundt, at de kan komme til én plass, og så er all kompetanse til stede der istedenfor at de må reise rundt og fortelle sin historie gang på gang. Så vil jeg takke mine partikolleger, både Geir Jørgen Bekkevold og Olaug V. Bollestad, som – selvsagt – hadde to gode innlegg. Jeg vil også minne om at det kommer en interpellasjon fra representanten Bekkevold i begynnelsen av mai som omhandler litt av det samme. De løfter også i sine innlegg opp det tverrfaglige aspektet. Så må jeg minne om det viktige aspektet med forebygging. Jo mer vi kan gjøre for å forebygge på en arena, jo mindre blir det på denne sektoren, som justiskomiteen jobber mest med. men jeg vil utfordre litt når det gjelder medisinske undersøkelser. Det barnehusene også er tydelige på, er at en gjennom de medisinske undersøkelsene får avdekket mange overgrep – en får vite. Som representanten Bekkevold også var inne på, når en har kompetanse nok, kan en avsløre om det bare er et blåmerke eller om det har vært vold eller overgrep. Hva tenker justisministeren om å gjøre det obligatorisk, eller iallfall sikre at barn som oppgir at de har blitt utsatt for slag og vold, får den undersøkelsen? Så er det også en annen viktig påminnelse for oss. Det er at det i NKVTS’ undersøkelse nå, en rapport som kom for ikke lenge siden, kom fram en av fem jenter under 18 år har blitt utsatt for seksuelle overgrep – et forferdelig høyt tall. tall. Det viser bare at det er et enormt viktig arbeid som vi gjør på dette feltet. Så Kristelig Folkeparti vil følge med. Vi er glad for de signalene justisministeren kommer med. Nå skal det heller ikke bli slik at det bare er ord denne gangen. Vi har riktignok fire år foran oss, men det haster for å få til et bedre arbeid for å styrke barns rettssikkerhet.

prosessene. Så er det selvfølgelig slik at et ektefølt engasjement må følges opp av konkret handling, og vi gjennomfører nå flere tiltak for å gjøre det som er mulig for å gjøre dette bedre. Så er det noen rammer som vi må forholde oss til. Det er den tilgangen vi har på kompetanse, og det er den tilgangen vi har på ressurser, som alltid vil være en begrensende faktor. Det er derfor det er nødvendig nå å gjennomføre det vi kan for på både kort og lang sikt gjøre denne jobben enda bedre. Så var Lene Vågslid inne på at hun ville ha et likt tilbud uavhengig av hvor en er fra i landet. Det er også et veldig viktig premiss for at en skal lykkes med dette arbeidet. En har sett en jevn og god økning i bruken av barnehusene, men det er fortsatt noen politidistrikter som i altfor liten grad bruker barnehus uten at det er noen åpenbar begrunnelse for det. I noen enkelttilfeller kan det være helt spesielle forhold knyttet til reisetid osv., og barnets beste skal alltid være i fokus i alle disse vurderingene, men det er åpenbart at flere kan bruke barnehus mer. Flere har vært inne på at det er viktig nå at vi ikke «korver» for lenge, som var det Ingebrigtsen kalte det. Det er jeg enig i. Men vi må også legge frem forskrifter som faktisk treffer. Formålet med å gjøre denne jobben raskt må ikke gå på bekostning av å gjøre den grundig. Sæverud-utvalgets forslag var bra på mange områder, men har altså vært veldig omstridt på mange andre. Da er det mer krevende å levere et resultat deretter. Det betyr at en underveis kan komme med andre innspill som en er nødt til å ta på alvor for å gjøre dette så godt som mulig, og det mener jeg er en viktig premiss i seg selv. Til slutt til Ropstad, som var inne på forholdene med medisinske undersøkelser, som jeg også kort berørte i mitt forrige innlegg: Det er helt avgjørende at vi sikrer den kompetansen. Som jeg nevnte, hadde jeg møte med helse- og omsorgsministeren i går, som har ansvaret for dette. Han adresserer også denne problemstillingen som en høyt prioritert oppgave, og vi har avtalt et nytt møte i oppfølgingen av bl.a. dette i månedsskiftet mai/juni. Det

Spørsmålet er korleis vi kan ha ei mest mogleg effektiv strafferettspleie med utgangspunkt i dagens lovverk. Korleis kan dagens situasjon seie noko om korleis saker bør handterast, i motsetning til korleis situasjonen var for ti år sidan? Og kva for nye grep bør vi og kan vi ta? Grunnleggjande rettssikkerheit er eit prinsipp som er godt forankra i Noreg. Artikkel 7 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen set rammene for korleis saker skal behandlast i Dette er grunnleggjande verdiar som vi aldri skal fråvike, og det er heller ikkje intensjonen min med innspelet mitt i dag. Målet er å få gjort mest mogleg mens ein person sit pågripen, i medhald av straffeprosesslova § 183. Dette er både i samfunnets interesse og i den pågripne sine interesser. Ein del personar utan fast bustad eller anna tilknyting til riket gjer straffbare handlingar mens dei oppheld seg i landet. Når politiet avdekkjer kriminalitet som blir gjord av desse gruppene, er det viktig at ein blir gjeven verktøy for raskt å kunne få avgjort straffesakene. Desse straffbare handlingane er ofte ikkje alvorlege nok til at påtalemyndigheita vel å krevje gjerningspersonane varetektsfengsla fram til hovudforhandling, på grunn av låg pårekneleg straff. Når dei sikta vel å ikkje erkjenne forholda, er straffeprosesslova § 248 ikkje aktuell å nytte. Då er hovudforhandling einaste moglegheit, der rett må setjast, med både fagdommar og

Når politiet skal gjennomføre hovudforhandlingar i tingretten, må dei stemne tiltalte, men då får ein ikkje lenger tak i dei. Dei blir etterlyste, men ein greier ikkje å spore dei opp, og sakene deira blir liggjande i skuffene hos politiet. Politiet, domstolane og andre bruker deretter uforholdsmessig mykje tid og ressursar på å prøve å finne desse personane for å kunne få rettssakene gjennomførde. Forholda det dreier seg om, er ofte ferdig etterforska på bevissituasjonen er klar, og det er berre iretteføring som manglar for at domstolane skal ta stilling til skyld- og straffespørsmålet. Som eit illustrerande eksempel på denne typen kriminalitet kan det nemnast at når det gjeld første gongs forsøk på sal av mindre mengder narkotika, har Høgsterett i Norsk Retstidende 2010, side 449, slått fast at straffa skal dagar. Pårekneleg straff tilseier derfor at ein ikkje kan varetektsfengsle dei. For Oslo politidistrikt har dette vore eit stort problem dei siste åra. Det har i lengre tid vore retta betydeleg merksemd mot å bekjempe openlys narkotikaomsetjing i sentrum. For å få bukt med dette problemet er det å få bort seljarane og gjengangarane heilt sentralt. I dette ligg det at straffesakene må avgjerast raskt. No er ikkje dei tilfella der folk blir pågripne med narkotika på seg, eller der dei blir observerte ved kjøp og sal av narkotika, dei lovbrota som er mest krevjande å iretteføre reint bevismessig, men med det straffenivået vi har for enkelte typar kriminalitet, er det viktig at sakene blir avgjorde raskt. Politiet har lenge ivra for å få på plass ei ordning der ein raskt kan få ekspedert dei enklare straffesakene. I medhald av straffeprosesslova politiet gjeve heimel til å halde personar pågripne i eit visst tidsrom om vilkåra for det er til stades. Viss vi kunne ha etablert ordningar i domstolane der det var mogleg å gjennomføre hovudforhandling innanfor fristen på 72 timar, ville det ha vore svært effektivt. Dei sakene som i dag ligg i skuffene på politihusa, kunne i staden ha vore raskt avgjorde. Så kan ein stille seg spørsmålet om dette ville ha gått ut over rettstryggleiken. Det Det er ikkje dei vanskelege og kompliserte sakene det her er tale om. Det dreier seg om saker som er oppklara på staden, og som bevismessig er heilt opplagde, typisk vinningssaker, mindre narkotikalovbrot og liknande. Vi talar ikkje om valdssaker, valdtekts- og drapssaker. Sjølvsagt reiser dette spørsmål om ressursar. Domstolane må ha ledig kapasitet for raskt å kunne ta imot slike

Eit anna stort praktisk problem er dei tilfella der ein får stemna personar til ei framtidig hovudforhandling mens dei sit i politiarresten, og så får ein ikkje forkynt dommen for dei i ettertid fordi dei ikkje møter til hovudforhandling i tingretten. Dermed blir ikkje dommen forkynt, og dei må etterlysast for forkynning av dom. Også dette er ressurskrevjande og lite hensiktsmessig bruk av tid. Kriminalomsorga som skal Ei ordning der ein kunne fått pådømt forholdet innanfor dei 72 timane ein kan sitje i arresten, ville ha løyst også dette problemet for dei tilfella der det ikkje vil bli definert som uforholdsmessig å sitje pågripen, jf. straffeprosesslova § 170a. Det å få på plass ein dom er sentralt. Ein rettskraftig dom kan brukast som grunn for tvangsutsending og Det er viktig at Noreg har eit effektivt system når det gjeld dette, innanfor rammene av våre internasjonale forpliktingar. Når eg tek til orde for hurtigdomstolar, meiner eg ikkje at det skal opprettast nye organ. Eg meiner at vi skal gje eit klart signal om at dagens lovverk skal nyttast, då det gjev moglegheit for effektiv straffesaksbehandling. Det er likevel viktig at retten til

at hun ikke foreslår å opprette nye domstoler, men organisering av et hurtigspor innenfor det eksisterende domstolssystemet for disse sakene. Før jeg kommenterer det helt konkret, har jeg behov for å si litt om utviklingen i kriminalitetsbildet når det gjelder gruppen kriminelle utlendinger, og gi et kort innblikk i hvilke strategier og mål regjeringen har for å effektivisere straffesakskjeden for utlendinger som begår kriminalitet i Norge. Antallet utenlandske statsborgere som begår kriminelle handlinger, har de senere årene vært økende. Det er grunn til å anta at denne utviklingen vil fortsette, bl.a. som følge av økt globalisering og mobilitet. Spesielt vil Norge som et rikt land med høy levestandard, fremstå som attraktivt for kriminelle utlendinger som tar opphold av kortere eller lengre varighet. For å få en effektiv kriminalitetsbekjempelse er det viktig at norske myndigheter sender et klart signal om at utenlandske statsborgere som begår kriminalitet som kvalifiserer for utvisning, omgående får vedtak om utvisning og raskt sendes ut av Norge. For å få dette til må det være god flyt i den delen av kjeden som berører politi og domstol, nemlig pågripelse, etterforskning og prosessen knyttet til berammelse og avvikling av sak for domstolene. Jeg nevner også at jeg er opptatt av de neste leddene i kjeden, som består av rettskraftig dom, ledsaget av utvisningsvedtak og rask retur. Her er det en helhetlig sammenheng som vi ikke må tape av syne. Utgangspunktet for god saksflyt i kjeden avhenger av hvor gode rutiner politiet har for å gjennomføre rask etterforskning, eller en straksetterforskning i enklere saker, og hvor effektive ordninger vi har for å få saken raskt avviklet i domstolen. I tillegg vet vi at en stor utfordring i disse sakene er at kriminelle utledninger ofte forsøker å unndra seg iretteføring av straffesaken. Tilsvarende gjelder også for de neste leddene i kjeden. Her ser vi at forsøk på å gjøre seg utilgjengelig for å hindre forkynning av et ventet vedtak på utvisning og en senere effektuering av selve uttransporten, ikke er uvanlig. En slags foreløpig oppsummering blir at effektiv straffesaksbehandling i denne sammenheng munner ut i en målsetting om å få etablert ordninger som både sikrer rask pådømmelse og hindrer unndragelse. Med dette som utgangspunkt går jeg i fortsettelsen gjennom mulighetene og begrensningene i gjeldende regelverk for å oppnå en effektiv straffesaksbehandling av disse sakene. En gjennomgang av effektiviteten i dagens regelverk bør foretas ut fra den straffen som skal utmåles. Her vil det grovt sett være tre hovedgrupper. Den ene vil være saker hvor reaksjonen er bot, den andre saker hvor reaksjonen er betinget fengsel, eller korte, ubetingede dommer, og den tredje saker som kvalifiserer for lengre, ubetinget fengselsstraff, anslagsvis fra 45 dager og oppover. For botgruppen vil sakene kunne avgjøres med et forelegg utstedt av politiet. Videre flyt i kjeden avhenger da av gode samarbeidsrutiner mellom politiet og UDI, slik at vedtak om utvisning kan skje omgående. Jeg nevner at man i fjor, omtrent rundt sommertiden, utvidet adgangen til utvisning for forhold som avgjøres med bøter, herunder naskeri. Antallet i denne gruppen har derfor økt noe, og effektivitetskravet blir derfor enda viktigere enn tidligere. I den andre enden av skalaen har vi sakene som kvalifiserer til ubetinget fengsel over 45 dager. I disse sakene vil det ofte foreligge

I mellomgruppen finner vi saker med korte, ubetingede straffer under 45 dager, saker som ender med betinget fengsel, og foreleggsaker med bot som bringes inn for retten, fordi siktede ikke vedtar. Mange av disse sakene har ofte et bevisbilde som er enkelt og oversiktlig. For de korte ubetingede straffene vil en ved tilståelse kunne få pådømmelse i fengslingsmøter, slik jeg allerede har pekt på. Men dersom saken krever hovedforhandling, eller forventet straff er bot eller betinget fengsel, vil faren for oversoning normalt hindre varetektsfengsling, fordi berammelse ikke skjer rakt nok. Det er denne gruppen kriminelle utlendinger vi her står igjen med i mellomgruppen, som egentlig er bakgrunnen for denne interpellasjonen – slik jeg oppfatter det. Jeg vil tilføye: Det er denne gruppen som er særlig utfordrende for effektiviteten i Jeg er svært opptatt av denne problemstillingen, og jeg har derfor bedt Politidirektoratet om å innhente informasjon for å tallfeste gruppen og det mulige omfanget av kriminelle handlinger gruppen begår. Innhentingen av informasjon er foreløpig begrenset til distriktene Oslo, Asker, Bærum og Romerike. opptatt av denne problemstillingen, og jeg har derfor bedt Politidirektoratet om å innhente informasjon for å tallfeste gruppen og det mulige omfanget av kriminelle handlinger gruppen begår. Innhentingen av informasjon er foreløpig begrenset til distriktene Oslo, Asker, Bærum og Romerike. Jeg har også bedt om at man allerede nå setter i gang arbeidet med å se på hvilke lovendringer som skal til for å følge opp det interessante innspillet fra sorenskriveren i Oslo tingrett i Aftenposten i går, hvor han tar til orde for et hurtigspor for utenlandske kriminelle. Jeg deler hans vurderinger om at dagens system skaper unødvendig ressursbruk. Sorenskriverens vilje til Kravet til raskhet og effektivitet vil avgjøre hva slags lovendringer det er på tale med, og hvor store endringer som må gjøres i den enkelte bestemmelse. Dette kan nærmere illustreres ved det konkrete forslaget fra interpellanten. Forslagets ambisjon er at pådømmelse skal skje innen fristen gitt i straffeprosessloven § 183, det vil si helst dagen etter pågripelse eller senest den tredje dagen etter pågripelse. Tidsrammen gjør forslaget vanskelig å forene med enkelte sentrale bestemmelser i prosesslovgivningen når det gjelder den praktiske gjennomføringen. Et eksempel er siktedes krav på tre dagers varsel før hovedforhandling, som interpellanten selv var inne på: retten til det rette forsvarervalget, forsvarers krav på å ha tid til forberede saken og drøfte den med siktede, siktedes krav på tolk, trekking av meddommere til hovedforhandling og reglene om ankefrister og ankebehandling. Ved endringer i gjeldende regelverk vil man naturligvis måtte se på hvordan de aktuelle domstolene må organisere seg, og hvilke nye rutiner som må utarbeides mellom politi, domstol og Erfaringene fra Oslo tingrett knyttet til den såkalte 518-modellen viser at aktørene medvirker til god effektivisering når ordninger er tilrettelagt for det. Kort fortalt er rettssal 518 i Oslo tingrett øremerket til enklere straffesaker av en halv dags varighet. Tingretten har også en avtale med Oslo politidistrikt som innebærer at poltiet selv berammer hovedforhandlingen i denne sal. Når f.eks. den pågripne er uten bopel, vil politiet ved pågripelse lovlig kunne stevne vedkommende til hovedforhandling og få pådømt det straffbare forholdet. Oslo tingrett pådømte 192 sånne saker i 2012 og 159 saker i 2013, noe som viser hvor store effektiviseringsgevinster slike ordninger kan utløse. Regjeringserklæringen sier også at vi skal utrede hurtigdomstol i en større sammenheng, og at det skal utredes grundig. Det vil vi selvfølgelig komme tilbake til. Kort oppsummert deler regjeringen interpellantens ønske om at man skal få en mer effektiv behandling av disse sakene, og vi vil komme tilbake til hvilke relevante endringer i regelverket som må til for å få det

I Oslo høyrer vi stadig om at enkelte grupper har sine område der dei bl.a. omset narkotika. Når politiet får tak i personar som har gjort seg skuldige i ei straffbar handling, er det best at desse kan bli dømde for forholdet. Vi må slik hindre at dei ikkje berre vender tilbake til det same miljøet og gjer seg skuldige i ny kriminalitet. Vi kan ha noko å lære av land med samanliknbare rettssystem. Det gjeld å hente impulsar utanfrå. Det ville vore interessant å vite kor mange straffesaker som har vorte lagde til sides i Politi-Noreg som følgje av at ein ikkje får tak i personar som har vorte lauslatne etter å ha vore pågripne. Det kan synast som det har vore ein kraftig auke dei siste åra. Eg ventar ikkje at statsråden kan kome med tala no, men eg la merke til at han nemnde at det skulle innhentast statistikk knytt til denne problematikken. Det er bra. Rettssikkerheit skal liggje til grunn for alle ordningar som vi innfører. Målet må vere å kombinere rettssikkerheit med effektive ordningar som sikrar eit trygt samfunn med mindre kriminalitet, og eg takkar statsråden for ei særs positiv haldning til interpellasjonen. Eg trur dette er eit av dei måla som bør vere tverrpolitisk, og som vi kan samarbeide

raskt kommer tilbake i gatebildet. Det er gjort en del arbeid med det særlig i Oslo politidistrikt, som er det politidistriktet som har desidert flest av den typen saker. Jeg synes det er veldig bra – og kreativt, egentlig – at flere nå tenker grundig gjennom hvordan vi kan løse dette på en mer effektiv måte enn vi klarer å gjøre i dag. Det er riktig som representanten Klinge sier: Vi henter nå inn informasjon for å se hva slags saksomfang vi faktisk snakker om, samtidig som vi jobber med en mulighet for å se både på enkle lovendringer, som kan bidra til å rette opp i dette, og på om vi kan finne løsninger som kanskje krever en mer omfattende gjennomgang av lovverket. Det vil vi selvfølgelig komme tilbake til denne salen med forslag om, og jeg ser frem til den konstruktivitet og den diskusjon som det vil medføre. Eg vil òg starte med å takke interpellanten for å bringe eit viktig tema opp til

overfor. Me veit at det er eit stort problem at utanlandske statsborgarar som er tiltalte for kriminelle handlingar, bl.a. forsvinn før rettssaken, og fleire peikar òg på at dette sjølvsagt svekkjer rettssystemet. Eg merkar meg at Oslo tingrett – eller Lund og Engebretsen – tek til orde for dette hurtigsporet for personar utan tilknyting til Noreg, slik at ein kan få sagt dom i saka i første rettsmøte, seinast

og oftare, fordi vedkommande vil bli ferdig med saka og unngå varetekt. Men føresetnaden for denne behandlingsmåten og at det skal gå raskt, er at den sikta tilstår og samtykkjer i domsseiing ved tilståingsdom. Det kan tenkjast at han eller ho gjer det dersom vedkommande blir teken på fersk gjerning, eller at ein får utsikt til strafferabatt. Men det er berre viss den sikta og påtalemyndigheitene vedtek dommen, at han blir rettskraftig og kan fullbyrdast straks. eller at ein får utsikt til strafferabatt. Men det er berre viss den sikta og påtalemyndigheitene vedtek dommen, at han blir rettskraftig og kan fullbyrdast straks. Elles blir han rettskraftig når ankefristen på to veker går ut, og om dommen blir anka, vil det gå atskilleg med tid uansett om saka blir behandla så raskt som råd. Eg meiner det kan vere interessant å sjå vidare på korleis ein i større grad kan få til eit hurtigare spor. Samtidig er det viktig å ha med seg, som òg Lund og Engebretsen peika på i Aftenposten i og tilstrekkeleg rettssikker prosess for alle i Noreg. Som dei skriv: «Vi forutsetter selvsagt at den europeiske Menneskerettskonvensjonens artikkel 6 om forsvarlig rettergang og hensynet til det frie forsvarervalget blir ivaretatt.» Eg er glad for at både Klinge og justisministeren nemner det – og eg er på ingen måte overraska over det, men eg synest det er veldig viktig å understreke det. Dette er ein rettssikkerheitsgaranti som skal gjelde alle som er til stades på norsk jord, uansett om ein har lovleg opphald eller ikkje. Eg meiner det vil vere problematisk å lage særreglar som svekkjer rettssikkerheita for denne gruppa. Så omsynet til artikkel 6 i EMK og eit eventuelt slikt hurtigspor må foreinast. Kriminaliteten kjenner ikkje lenger nokon landegrenser, og f.eks. mobil vinningskriminalitet, spesielt frå Aust-Europa, er eit stort samfunnsproblem. Me veit at det finn stad hallikverksemd og menneskehandel både i og til Noreg. Det utfordrar tryggleiken vår, og me som politikarar må leggje til rette for at politi og domstolar blir sette i stand til å løyse dei oppgåvene me forventar av dei. I tillegg til dette er det viktig at regjeringa fortset det arbeidet som den raud-grøne regjeringa gjorde når det gjeld soningsavtalar og soningsoverføringar med andre land. Her er EU-samarbeidet veldig sentralt. Då Arbeidarpartiet sat i regjering, fekk vi aksept for at Noreg blei part i det arbeidet. Internasjonalt justissamarbeid er avgjerande for å bekjempe det internasjonale kriminalitetsbildet me er ein del av. Talet på pågripne og fengsla personar med utanlandsk statsborgarskap aukar. Derfor er det veldig viktig at ein held fram med eit grenseoverskridande arbeid gjennom eit nært samarbeid med politi og påtalemyndigheiter i andre land. Når det gjeld det Klinge tek opp: Det verka òg slik ut frå det som justisministeren sa, at me ikkje snakkar om eit eige domstolsorgan. Det kan vel tenkjast at ein gjennom å grep – som òg blei skissert av justisministeren – kan løyse utfordringane i domstolane slik det er i dag. Eg trur òg det er viktig, som det òg er blitt sagt av tidlegare justisministrar her, å fokusere på det praktiske samarbeidet mellom aktørane og sjå på dei organisatoriske løysningane. Eg ser uansett fram til vidare diskusjonar om dette temaet. Det er veldig viktig. Eg synest òg det foreløpig har vore foreløpig har vore ein veldig konstruktiv debatt mellom partia, og det er veldig positivt. Høyre er positiv til at det utredes ulike former for hurtigdomstoler. Dette er også nedfelt i regjeringens politiske plattform. Det er ett av flere tiltak som kan føre til lavere gjennomsnittlig behandlingstid i domstolene. Jeg har lyst til å heve blikket lite grann og ikke bare snakke om hurtigdomstoler isolert sett, men først og fremst se på fordelene ved en rask saksbehandling av straffesaker. Sammenhengen er egentlig ganske enkel: Rettsstaten er avhengig av tillit i folket. Tillit oppnås når folk ser at det reageres mot normbrytere. Jo lengre tid det tar før det reageres, desto større er faren for at tilliten til vårt rettsapparat synker. Derfor er det veldig ønskelig å vurdere en rekke tiltak for å få ned gjennomsnittlig behandlingstid i rettsapparatet. Hurtigdomstoler kan være en slik løsning, men det kan også gjøres ved å øke antallet årsverk i eksisterende domstoler. Man kan fjerne utdaterte lovforbud, man kan gi politiet kompetanse til å avgjøre flere saker, f.eks. med forenklet forelegg, eller man kan forenkle saksbehandlingsreglene vi har i dag, f.eks. enklere regler for stevning. Hva som blir fasiten, kan vi komme tilbake til i en senere debatt. Det gjenstår å se. Men så lenge de grunnleggende rettssikkerhetsprinsippene er ivaretatt – kontradiksjonsprinsippet, og ankemuligheter – kan hurtigdomstoler, eller et hurtigspor, være en veldig riktig vei å

Enten ein har norsk eller utanlandsk opphav, har ein krav på å bli skikkeleg behandla i rettssystemet. Ein skal føle at ein blir teken på alvor, og at rettstryggleiken blir ivareteken. Men det er ingen motsetnad mellom å bli behandla raskt og å ivareta grunnleggjande rettstryggleiksprinsipp. Difor er eg glad for at justisministeren vil sjå på korleis vi effektivt kan sluse desse gjennom eit straffesakssystem. Innspel er difor veldig viktig. Problemet med etterlyste personar er størst i dei store byane, men omreisande kriminelle slår til også elles i landet, og difor er dette ei nasjonal problemstilling. Alt dreier seg ikkje berre om auka løyvingar eller lovendringar, men ofte også om at vi ser på dei systema vi allereie har i dag og kva for moglegheiter desse gjev oss. Politiet gjer kvar dag ein god og viktig jobb, og difor må vi sørgje for at dei har verkemiddel som gjer at dei kan sluse sakane effektivt gjennom. Straffesakskjeda har mange ledd, og alle er avhengige av kvarandre. Politiet, domstolane, kriminalomsorga – alle er dei avhengige av kvarandre.

Omtrent 34 pst. av de ordinære soningsfangene er utenlandske statsborgere. Det er en dramatisk endring sammenliknet med den situasjonen vi så for bare noen få år siden. Det bidrar også til å understreke viktigheten av at en ikke skal stimulere til at mennesker som er her og starter på en kriminell løpebane, skal få bli værende her og fortsette på den kriminelle løpebanen, for det vil sannsynligvis føre til at det også begås mer alvorlig kriminalitet etter hvert.

Men

positivt at me no

tar i

og eg

L. Den ene korrigeringen er på side 2 i innstillingen og gjelder tilrådingens I, punkt 3, hvor ordet «nytt» tas ut i den første setningen. Den andre korrigeringen er på side 5 i innstillingen og gjelder tilrådingens I, punkt 15 § 431 annet ledd, hvor det foran ordet «håndreisegods» skal stå «For». Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.